presenterer et statsbudsjett som den sier har gitt Norge en ny retning. For Arbeiderpartiet er det en feil retning. Store skattekutt – mest til menneskene med milliarder – har gjort at bevilgningene til kulturformål er redusert. En påplussing på 1,1 pst. dekker på ingen måte lønns- og prisvekst, selv etter at alle må effektivisere med Etter flere år med sterk vekst i kulturbudsjettene satte Stoltenberg-regjeringen ned Enger-utvalget. Utredningen viser at en bevisst satsing på kultur gjennom flere år har gitt resultater. Enger-utvalgets utredning er også en viktig rettesnor for det videre arbeidet med utvikling av kulturfeltet. Kulturutredningen gir også grunnlag for å drøfte prinsipielle forskjeller i politikken. i politikken. På den ene siden dreier det seg om et samfunn der man ser på kulturen som noe mer enn bare kultur – som et virkemiddel for å utjevne sosiale skillelinjer, som bidrag til folks levekår, om systemer som skal favne både bredde og topp, der politikerne er med på å vise retning, og som bidrar til å løfte fram de forskjellige På den andre siden dreier det seg om et mer liberalt tankegods, der idealet er at samfunn og myndigheter forholder seg nøytrale, og der troen på markedet er det mest framtredende. Årets statsbudsjett legger på mange måter opp til politisk abdikasjon på kulturfeltet. Økonomiske prioriteringer overlates til et fåtall personer som utgjør styret i Kulturrådet. Det kunstfaglige skjønn skal være styrende for arbeidet. Penger skal kunne flyttes mellom sjangere, og poster som tidligere var med på å utjevne regionale forskjeller i tilbud, skal nå undergis de samme kunstfaglige vurderinger. Det er altså det dette nyordet «armlengdes avstand» betyr. Som politikere skal vi ikke bry oss med hva pengene brukes til. Det skal overlates til ekspertene. De beste søknadene skal passere, andre kriterier er ikke utarbeidet. Arbeiderpartiet er ikke imot at det foretas forenklinger i tilskuddsordningene. Men vi mener at det er politikk å fordele budsjettet på de forskjellige kulturområdene. Vi mener også at det er legitimt å mene noe om og at offentlige penger også skal fylle andre samfunnsformål enn de rent kunstfaglige. Det er stor enighet om at kulturen har en egenverdi. For vår del mener vi at kulturelle fellesgoder som teater, opera og orkesteropplevelser skal gjøres tilgjengelig for alle.

resultatet av et politisk mål om å bringe kulturtilbud ut og fram til mennesker i vårt samfunn – ikke bare til de få eller til de som har råd. Regjeringens smålige prioriteringer ble satt på prøve da forslaget om å ta bort Den kulturelle spaserstokken ble lagt fram. Det er selve beviset på at ingen – absolutt ingen – i vårt samfunn slipper unna når de store skattekuttene skal finansieres. finansieres. Kulturministeren har utvilsomt bidratt til å gjøre kulturpolitikken til en politisk kamparena. Under overskriften «Maktspredning» meldte hun tidlig at hun ønsket en debatt om kulturpolitikken. Ja, debatt har det blitt, men mest om mangel på ambisjoner. Årets trontale inneholdt ingen omtale av kultur, heller ikke av frivillighet eller idrett begge deler veldig viktig for oss alle. En gjenganger på debattarenaen har vært mediepolitikken, men statsråden har for annen gang måttet gjøre helomvending i møte med Stortinget når det gjelder både pressestøtte, moms og

men vi kan ikke støtte et system der giverne skal bestemme hvor de offentlige pengene skal brukes. Gaveforsterkningsordningen gjør nettopp det, og vi har registrert at det ikke er mulig å redegjøre for om gaveforsterkningsordningen har fått fram flere givere. Det betyr at det er de som allerede blir sponset, som får litt mer, og at forskjellen mellom dem som har rike og fattige onkler, blir større.

storsamfunnet. Idretten og frivilligheten trenger mer enn store ord, de trenger også budsjettbevilgninger. Det er all grunn til å berømme Kristelig Folkeparti og Venstre, som har reddet økonomien til store deler av kulturliv, frivillighet og idrett neste år. Et budsjett med sterk høyredreining har fått en Til tross for utallige anmodninger fra Organisasjons-Norge fortsetter regjeringen og kulturministeren å bidra til å svekke og redusere betydningen av en politisk villet spillpolitikk. Et sterkt vern mot spilleproblemer, en spillpolitikk som kan styres med raske politiske grep, kombinert med et overskudd som bidrar bidrar til godt utbygd helsearbeid, rehabilitering og lokale aktiviteter, står tydeligvis i veien for markedskrefter og enkeltes ønske om å gjøre lettjente penger. Ingen endringer skal utfordre eneretten, gjentar statsråd Widvey gang på gang – når det nettopp er det motsatte hun gjør. Tror statsråden for alvor på at en omsetning på 1,5 mrd. kr, sånn regjeringen foreslår når man utlyser lisenser for nye lotterier, ikke vil gå utover finansieringen av frivilligheten i Norge? Neppe. Og hvorfor skal man utrede lisenser for utenlandske spillselskaper? Er det for å ivareta enerettsmodellen og dens rolle i det norske samfunn? Nei, neppe det heller. Hvis enerettsmodellen var målet, ville kulturministeren for lengst ha presentert en ordning tilsvarende den finske for ESA. Det ville bety innstramninger rundt monopolet. Men det er ikke ministerens plan. Nei, det dreier seg om å liberalisere, koste hva det koste vil. En rapport fra Lotteritilsynet viser at det er over 20 000 problemspillere i Norge og 80 000 med moderat spillerisiko. Mon tro om tallet vil reduseres i et liberalisert spillemarked? Det er ikke et folkekrav å slippe utenlandske aktører legalt inn i det norske spillemarked – ikke er det forenlig for å begrense spilleproblemer, og ikke finnes det grunner til å tappe lokalt organisasjonsliv fra tilgangen på bidrag til anlegg og aktiviteter. Her går det virkelig galt når åpenbar klokskap må vike for markedskreftene. Det blir replikkordskifte.

oppnådd tallene ved å gjøre tekniske reguleringer i budsjettet, slik at poster som lå andre steder, kom inn på kulturbudsjettet – og på den måten var veldig klare på at de var de store redderne av norsk kultur. Nå har vi også i år fått et budsjett til kultur med treffsikre ordninger. Det har aldri før vært brukt kultur. Allikevel er Rigmor Aasrud veldig tydelig på at dette er et elendig budsjett for Kultur-Norge. Jeg lurer på om Rigmor Aasrud kan forklare det. Det er et ganske enkelt regnestykke, for hvis man går inn i budsjettet og ser på posten «kulturformål», viser den en vekst på 1,1 pst. Når vi vet at vi har en prisstigning på 3,3 pst., sier det noe om denne regjeringens satsing på kulturformål i kulturbudsjettet. Når Arbeiderpartiet har satset på kultur, er det fordi vi vet at skal vi nå fram med kulturen, må vi bygge stein på stein. Derfor har vi gjennom mange år nå bygd opp institusjoner, og vi har bygd opp det frie feltet, sånn at det er større muligheter for å kunne utøve kulturen sin. Og ja – vi er stolte av at vi også har hatt poster på andre budsjetter som har vært en del av Kulturløftet. Det at man f.eks. satser på å kunne flytte norske talenter til utlandet gjennom den reisestøtteordningen som har vært i gjennom den reisestøtteordningen som har vært i Utenriksdepartementet, er nettopp med på å bidra til at norske talenter kan synliggjøres også andre steder enn i Norge. Så vårt kulturbudsjett er bedre, selv om regjeringens budsjett har blitt litt bedre etter at Kristelig Folkeparti og Venstre har bidratt. Etter åtte år i regjering har Arbeiderpartiet begynt å omtale seg som det store idrettspartiet. Vi har økt tippenøkkelen opp til Etter åtte år i regjering har Arbeiderpartiet begynt å omtale seg som det store idrettspartiet. Vi har økt tippenøkkelen opp til 64 pst., med 300 mill. kr mer til idretten. Vi har gjort noe med momskompensasjonsordningen, den forrige regjeringen kuttet i helt fram til de gikk av. Vi ser at nå lider ikke idretten rundt omkring i landet slik den har gjort i åtte år. Hvordan kan Arbeiderpartiet nå begynne å omtale seg som et idrettsparti? Hva har man gjort som gjør at man kan tillate seg

så allerede tidlig at det kom til å bli for liten bevilgning på posten til anleggsmoms i år. Derfor foreslo vi penger allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det ville ikke regjeringspartiene være med på. Jeg er glad for at det kommer noe mer penger nå, men fortsatt er det avkorting på momsen, og til neste år budsjetterer man helt bevisst med at det er avkorting på momsen. Så, ja – Arbeiderpartiet er stolt over at vi har lagt inn penger for å dekke etterslepet på idrettsanlegg. Det burde også de partiene som var involvert i alle diskusjoner omkring OL, ha sørget for. Det framkom veldig tydelig i den debatten at det var mange kommuner som trengte penger til å dekke etterslepet. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet er

Så jeg er litt usikker på hva Arbeiderpartiet mener om dette. La meg ta utgangspunkt i et helt konkret eksempel, og det er regjeringens talentsatsing, som nettopp skal være en satsing der offentlige og private midler skal kunne bidra til at unge talenter blir satset på. Hva er grunnen til at Arbeiderpartiet ikke ville være med og støtte det?

som har kommet på plass etter at gaveforsterkningsordningen kom, kunne man ikke redegjøre for et eneste nytt forsøk. Det var altså de samme som hadde fått penger før, som man fortsatte å gi til. Når det gjelder talentprogrammet, har vi andre satsinger. Vi satser på at vi fortsatt skal ta talenter til utlandet gjennom Utenriksdepartementets reisestøtte. Dessverre er Vi satser på Ungdommens kulturmønstring, som er et virkelig breddetiltak, og vi satser på å bygge opp sterke strukturer andre steder, bl.a. gjennom Ungdomssymfonikerne, og andre ordninger, der vi virkelig kan hente fram talentene i det norske kulturlivet. Gaveforsterkningsordningen er

Og i neste setning, og også nå i replikkvekslingen forut for denne, konkluderte hun med at det er penger som allikevel ville vært der – det er på en måte de som allerede hadde fått, som bare får mer. Det jeg lurer på, er om Aasrud kunne si litt mer om hvordan man kan være så sikker på at dette er institusjoner som allerede ville fått penger, når det i samme setning sies at det egentlig er umulig å se om dette utløser nye penger eller ikke.

Krysspress kan vi kalle det, begge de to historisk sett viktigste inntektsstrømmene tørker inn, både annonsører og abonnenter forsvinner. Det er forskjeller, noen er nær en vellykket overgang til andre plattformer, andre strever veldig, og atter andre lever mer skjermet. Særlig det største og viktigste mediehuset i Norge, NRK, lever i en relativt skjermet økonomisk virkelighet. Jeg kommer tilbake til NRK. Først avisene: Regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om støtteordningene i budsjettet for 2015. Bransjen selv sier at disse ordningene er avgjørende for at de skal lykkes med sin omstilling. Men alle støtteordninger og gode intensjoner til tross – i alle de 19 årene vi har hatt aviser på nett i Norge – er det fortsatt slik at bransjen i all hovedsak ikke har funnet gode løsninger for digital publisering som ivaretar nødvendig inntjening. I regjeringsplattformen står det at vi ønsker å legge om og redusere pressestøtten. Dette står der fordi vi så langt har sett at de konserverende modellene ikke har stimulert innovasjon. Det er derfor en forventning fra Høyre at bransjen nå viser at dagens støttenivå bidrar til innovasjon og ikke blir en respirator for papiravisene. Noen ord om moms: I dag er det stort sprik, noen har 25 pst., andre 8 pst, atter andre har 0 pst. Nå notifiseres en felles nullmomssats. Etter hvert skal vi finne en enighet i Stortinget også om hvordan den skal avgrenses. Men et prinsipp bør ligge fast. Lav moms må ikke innføres som en støtte til en bransje i økonomisk krise. Det må være politiske grunner til å innføre en lik lav moms. Lik behandling er viktig, også Det er utfordringer ved dagens ordning når vi ser at ett mediehus stikker av med en tredjedel av den direkte støtten. I svært mange andre sammenhenger får en slik dominans alarmklokkene til å kime, og mangfoldsargumentet settes under press. Tilbake til vårt største mediehus, NRK. Mer enn hver femte norske journalist og redaktør jobber der, og det er veldig vanlig at vi på topp ti-listen over mest sette programmer finner både åtte Den kanskje mest interessante mediedebatten i kommende halvår vil handle om NRK og de andre allmennkringkasterne. Det er varslet en stortingsmelding om NRK, og den skal ta for seg innhold, distribusjon, finansiering og eierskap. NRKs robuste økonomi gir dem unike muligheter og muskler. Hvordan det slår inn i et marked i ubalanse – vel, det er uvisst. Det er viktig at NRK opprettholder sin eksistensberettigelse gjennom kvalitet og den opplevelsen de gir oss lisensbetalere, men det er samtidig like viktig at deres posisjon ikke svekker andre aktører i et marked som sliter. Det er videre viktig at vi ser på allmennkringkasteroppdraget samlet. Vi møter en global konkurranse, og det er sett med norske øyne viktig å ha et samlet godt norsk allmennkringkastertilbud. Om du en vanlig kveld kikker litt på NRK, er det ikke usannsynlig at du får se et eller flere av Norsk Tippings produkter ganske godt presentert. Regjeringen ønsker å videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer inntekter til ideelle formål. Men det er mørke skyer i horisonten. Norsk Tippings egne prognoser for framtidig omsetning holder ikke tritt med prisstigningen. Signaler fra EU peker i retning av at Norsk Tipping ikke kan vokse uten videre, og stadig mer spill på utenlandske nettsteder truer over tid inntektene til Norsk Tipping og Rikstoto. Så sent som i forrige uke var rådende oppfatning blant mange at spill hos utenlandske aktører sto stille på 2012-nivå. Jeg tror at vi nå skal ta inn over oss at selv Lotteritilsynet, som for to år siden mente at dette markedet hadde «flatet ut», nå nærmest tredobler anslaget når det gjelder spill i utlandet. Kaken til fordeling til ideelle formål står i fare for å bli mindre. Det er nå vi må utforme en moderne spillpolitikk. Den bør omfatte hvordan vi kan få disse pengene til Norge, f.eks. gjennom en lisensordning for utenlandske spillselskaper og i tillegg også gjennom å åpne for ikke vanedannende lotterikonsepter, slik det nå vurderes. Om vi hadde klart å hente dagens spill i utlandet hjem, ville vi med dagens tall ha tilført ytterligere ca. 200 Når det gjelder ansvarlighet, er det viktig å ha med seg at også de utenlandske aktørene er opptatt av å arbeide mot spilleavhengighet. I mange tilfeller ser vi allerede – i det uregulerte markedet – at de markedsfører Hjelpelinjen for spilleavhengige vel så tydelig som Norsk Tipping. Å lukke øynene for utenlandsk spill, eller foreslå tekniske Internett-murer vi må kjøpe fra Kina eller Nord-Korea, er ikke veien å gå. Det handler om å skape en moderne politikk for å sikre inntektene, gjøre kaken større og ivareta de sosialpolitiske hensynene. Det blir replikkordskifte.

Som vi har sett i media de siste dagene, kan vi nå risikere at private bidrag kan føre til krav om inngangspenger i f.eks. offentlige parker. Finnes det grenser, og i så fall hvilke, for føringer som privat sponsing kan medføre? Er inngangspenger i en offentlig park eventuelt en sånn type grense? Det er hyggelig å merke seg at Høyres

man tar et lokalt initiativ for å bygge ut, pusse opp og legge til rette, følger det ekstra offentlige penger med. Dette er for å stimulere. Det tas også til orde for at man eventuelt skal se på andre ordninger etter hvert – incentivordninger som skal legge til rette for det. Jeg ser ikke denne frykten for de såkalte private pengene som reell i det hele tatt, og jeg stusser over at man hele tiden bruker begrepet «offentlige penger». Det er dine og mine penger, det er penger som er hentet inn gjennom skatter, som så fordeles ut igjen. At man får til et spleiselag mellom det private og det offentlige, f.eks. i en park, ser jeg ingen problemer med. Kulturlivet i Norge er etter Arbeiderpartiets mening fortsatt avhengig av en Kulturlivet i Norge er etter Arbeiderpartiets mening fortsatt avhengig av en sterk offentlig og forutsigbar støtte. Sånn har det vært i ualminnelig lang tid. Høyre lovpriser den nye gaveforsterkningsordningen. Det jeg lurer på – jeg spør på en litt annen måte – er: Ser representanten Eidem Løvaas noen uheldige virkninger av at offentlige penger bindes opp av private Jeg tror gaveforsterkningsordningen er et godt eksempel på én av mange måter å gjøre dette på i fremtiden. Også søknadsmengden til gaveforsterkningsordningen viser at dette er populært, og det kommer til å bli mer populært. Så er vi enige om at vi trenger en sterk offentlig satsing på kultur. Samtidig tror jeg vi er uenige om at det skal målfestes slik det ble gjort de siste årene, ved at 1 pst. av bruttonasjonalprodukt var målet. Så fort man hadde kvittert ut det, burde man sagt at der har vi vel, da er vi i mål, da har vi løst det. Hvordan man bruker pengene, er vel så viktig. Representanten Aasrud var tidligere selv inne på det, at man har bygd stein for stein. Ja, det var vel egentlig det man gjorde. Så telte man opp mursteinene, og så sa man at dette er også en del av kulturbudsjettet. Det er vel så viktig hvordan pengene blir brukt, som hvor mye penger man benytter. Og gaveforsterkningsordningen er en suksess så langt. Jeg tror den også kommer til å være modell for andre lignende ordninger fremover.

en suksess så langt. Jeg tror den også kommer til å være modell for andre lignende ordninger fremover. Jeg vil ta opp dette som har med regjeringens spillpolitikk å gjøre. Det er helt tydelig for mange av oss at her går vi i en mer liberal retning – mer liberal enn det Kristelig Folkeparti liker, særlig fordi vi er usikre på hvordan dette vil slå ut når Jeg leser i innstillingen til en sak som vi skal diskutere til slutt i dag, om at regjeringen nå tillater poker. Der står det i innstillingen: «I henhold til regjeringens handlingsplan mot spillproblemer skal Lotteritilsynet fortløpende evaluere ...» osv. Kan representanten Eidem Løvaas redegjøre for regjeringens spilleavhengighet? Jeg tror det er viktig at vi også sammen med samarbeidspartiene fortsetter å utforme en moderne spillpolitikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige. Spilleavhengighet er et problem. 0,7 pst. av de som er aktive spillere, oppgis å være ikke bare i faresonen, men også å være virkelig utsatt for de problemene som spilleavhengighet medfører. Jeg tror ikke løsningen er å forsøke å sette opp murer mot utlandet eller å si at vi skal lukke øynene for den virkeligheten som er rundt oss. I stedet må vi invitere aktørene inn snakke med dem, enten det er de utenlandske aktørene som vi vet finnes i dag, eller det er Norsk Tipping, Rikstoto og andre, slik at vi sammen finner de løsningene som skal til. Et veldig godt tiltak er Hjelpelinjen for spilleavhengige. Det er trist å se at så langt – de siste to årene – har bruken av kroner til annonsering for Hjelpelinjen fra de norske spillaktørene gått kraftig ned. Sammen må vi finne løsninger på dette, og det er jeg helt sikker på at vi skal få med oss Kristelig Folkeparti på også. Vi vil gjerne ha dem med videre i spillpolitikken

men de må dessverre gjøre den innsatsen gang på gang. De gjorde det nå i vår, og de gjorde det i forhandlingene om budsjettet. Hvor mange omkamper skal Høyre ta på disse områdene før de skjønner at det ikke er flertall i Stortinget for det Høyre Jeg tror ikke vi skal telle opp antall kamper eller omkamper, men som jeg sa, det står i regjeringserklæringen at vi ønsker over tid å legge om og redusere den direkte produksjonsstøtten – dette fordi vi har sett at det er en ordning som har virket konserverende og ikke har bidratt til innovasjon. Når det gjelder moms, har jeg lyst til å snakke litt om det, for det å finne avgrensingen tror jeg vi skal klare, å finne satsen tror jeg også vi skal klare. Da kommer vi på veldig kort tid ganske mye lenger enn det den regjeringen som satt i åtte år, gjorde. For i åtte år lukket de både ører og øyne for hva som var utfordringene for mediebransjen når det gjelder momsen, og man rikket den ikke en eneste millimeter. Jeg tror det eneste forholdet som står igjen etter åtte år med rød-grønn regjering, mellom moms og tall, er åtte år med regjering og 0 pst. resultat. Da er replikkordskiftet omme. Kulturpolitikken skal bidra til å gi mennesker mulighet til å delta og

et kulturliv preget av frihet. Kunnskap om og det å oppleve vår felles kulturarv er en styrke i vår bygging av identitet og følelser. Regjeringens kulturpolitikk bygger på et ønske om et sterkt og selvstendig kulturliv. Gaveforsterkningsordningen er kritisert av opposisjonspartiene, med Arbeiderpartiet i spissen. Den ble lansert i 2014. Denne regjeringen anser den som en suksess og ønsker å styrke den fortsatt i 2015. Vi ser på dette som et spleiselag, noe Arbeiderpartiet er skeptisk til – det kommer jo ikke noe nytt! Men det er jo faktisk sånn at disse midlene pluss noen til brukes på kunst og kultur. Dette settes ikke på noen bankbok eller brukes til byråkrati, det brukes til kunst og kultur. Kan man kritisere det? Forsterkningsordningen stimulerer til økt privat finansiering og at man genererer penger og gaver til kulturen. Dette er et spleiselag som ingen kan være med og kritisere. Dette er en vinn-vinn-situasjon. Jeg vil også

I tillegg ønsker vi å utvikle de 428 litteraturhusene vi har rundt omkring i hele landet, i de fleste kommuner, og da tenker jeg på folkebibliotekene. Allmennkringkastere – dem har vi to stykker av. Vi har TV 2, og vi har NRK, og det er to viktige aktører i mediebildet i Norge. Men de har to ulike forutsetninger.

produksjon. Hvorfor mener jeg det, og hvorfor mener regjeringen det? Jo, det er nettopp for å få kompetansen ut av huset, ut i hele landet og ut til fagmiljøene som er der – for å spre denne kompetansen. Derfor ønsker denne regjeringen å diskutere NRK-lisensen. Man ønsker å diskutere man ønsker å diskutere allmennkringkastingsrollen for de store TV-husene og eventuelt finne en alternativ betalingsordning. Ingen har nevnt at lisensen økes med kun 25 kr, derfor gjør jeg det nå. Så går jeg videre til at regjeringen har et forslag om å og ønsker å diskutere det med bransjen. Vi ser at mediebransjen har slitt de åtte siste årene, uten at vi har sett at noen tidligere regjeringer har gjort noe med det. Nå har vi løftet det opp. Nå diskuterer vi moms, vi diskuterer støtte, og vi ser på hvordan nye teknologiske plattformer skal avgiftsbelegges. Dette er i godt driv. Regjeringen vil i tillegg styrke momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg, som jeg var inne på i en replikk tidligere, og dette får vi tilbakemeldinger fra idretten om at de er fornøyd med. Endelig behøver de ikke bruke dugnadspengene sine til å betale renter, avgifter eller moms eller forskuttere det. Nå får de refundert pengene med en gang og kan bruke pengene på ungdommen.
Det åpnes for replikkordskifte. Både leveomkostninger og

tusenkronersspørsmålet her og nå! Dette har vært diskutert i Stortinget, det har vært diskutert blant partiene, og ikke minst diskuteres det hos pressen selv hvordan vi løser de utfordringene. Jeg vet det er en del partier som peker på at gjerne høyest mulig, og at vi da får den beste mediedekningen i Norge. Jeg tror at hvis alle partier setter seg ned og har et felles mål og ønske om at vi skal ha en god og sterk norsk presse, så kan man finne løsninger på det. Da kommer også spørsmålet om momsen inn som et viktig diskusjonstema. Dette har heller ikke vært løst de åtte siste årene. Jeg ser at løsningen til Kristelig Folkeparti er mer pressestøtte. Det er løsningen – punktum. Nei, det tror ikke jeg. Vi tar imot den invitasjonen. Jeg håper at representanten Ib Thomsen kan bekrefte at Stortinget vil bli involvert i den videre prosessen når det gjelder mediemoms, både størrelsen på den når notifiseringen er i ferd med både størrelsen på den når notifiseringen er i ferd med å bli meldt, og avgrensningen av hva som skal omfattes av en eventuell nullmoms, ikke minst. Så jeg håper at Ib Thomsen kan bekrefte at det er noe som Stortinget og alle partiene vil bli involvert i, slik at vi kan få synliggjort hva som er parlamentets holdning til hva en framtidig moms skal bestå i. i. Jeg mener også at det er viktig å få utfordret Fremskrittspartiet på om det vi nå har kommet til enighet om, er det primære standpunktet som man nå virkelig ønsker å kjøre på og stå for nullmomsen og drive den prosessen gjennom fra regjeringens side, og om Fremskrittspartiet vil sørge for at det skjer. Jeg håper at representanten Grande er klar over Stortingets rolle når han er bekymret for Stortingets involvering. Muligheten for å diskutere moms er helt klart til stede. Med en mindretallsregjering er den til stede enda mer enn vi har sett de siste åtte årene. Stortinget ble ikke veldig involvert i de diskusjonene som daværende regjering hadde, og måtte sitte på sidelinjen. Men jeg vil love representanten at hele Stortinget skal involveres, selvfølgelig. Representanten Grande er bekymret for avgrensningen mellom det digitale og papir. Ja, det er en utfordring, og det husker jeg den forrige regjeringen også diskuterte. Men det må jo ikke sette begrensninger for oss. Når vi vet at en papiravis og en er helt like, hvorfor kan vi ikke se det i sammenheng? Det var spørsmålet vårt den gangen, og det er det spørsmålet vi også kan stille oss i dag. Jeg og representanten Thomsen har hatt et felles engasjement. Det handler om vår felles kulturarv. Det handler om at vi i dag holder på å bygge et nytt nasjonalmuseum som blir fint og flott, men vi syns fortsatt at det er viktig å beholde det gamle Nasjonalmuseet som en del av utstillingslokalene fordi det er en viktig hjørnestein i bygginga av Norge som nasjon, det er et viktig bygg i av Norge som nasjon, det er et viktig bygg i Norges identitet. Vi ble enige under budsjettforliket om at dette er en sak som vi ikke har tapt, men som vi nå skal kjempe videre for, for å prøve å få det gamle Nasjonalmuseet som en del av utstillingslokalene. Dette kjempet vi hardt for mot den forrige regjeringa, og jeg vil bare forsikre meg om at representanten Thomsen fortsatt er på laget når det gjelder å kjempe for at Nasjonalgalleriet skal være en del av Nasjonalmuseets utstillingslokaler.

den er et kjent sted i Oslo, og ikke minst er bygningen verd å ta vare på. Og når det står så tydelig i budsjettet som det gjør, at denne bygningen skal det tas vare på, den skal fortsatt være et utstillingslokale for kunst og kultur framover, synes jeg vi to, Trine, skal stå sammen om det og kjempe videre. Presidenten vil bemerke at selv om representanten er på laget, skal talen fortsatt gå gjennom presidenten.

har nok ikke så veldig mye å gjøre med hvilken farge regjeringen har, men det har veldig mye å gjøre med hvilke langsiktige rammebetingelser de får fra myndighetene. Nå er det et race fra Fremskrittspartiets side etter å få tatt NRK, så jeg vil spørre: På hvilket område er det viktigst å få redusert NRKs rolle etter

skiftet av regjeringen. Denne utfordringen for Medie-Norge har vært til stede i hvert fall de siste seks–syv–åtte årene. Jeg er glad for at Senterpartiet nå er på banen og ønsker å være med og diskutere det og ikke låser seg til den holdningen som vi opplevde de hadde i regjeringen, men at de nå står friere til å diskutere dette. NRK er det viktig at vi har en gjennomgang på. Jeg er blitt sitert i noen aviser på at jeg ønsker et et «kjedeligere» NRK. Jeg skrev ikke den overskriften, men det jeg mente, og det som jeg står for, er at vi ønsker å diskutere innholdet i NRK. Er det riktig at NRK skal ha de samme programmene som de som lever av reklame? Er det riktig at NRK skal kjøre de samme radiokanalene som de kommersielle? Den diskusjonen bør vi ta. Livsgrunnlaget til de private og

gode vilkår. Vi skal ha en aktiv og offensiv kulturpolitikk. Derfor er jeg glad for at vi også i 2015 får et kulturbudsjett med økninger på flere felt. Budsjettforliket mellom samarbeidspartiene gir forbedringer for kultur- og mediesektoren på områder som er viktige for Kristelig Folkeparti. Men la meg begynne med å takke komitélederen for god ledelse. Takk til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre også for godt budsjettsamarbeid. Mediene er i kraftig omstilling, og utfordringene er godt kjent. I en situasjon med fallende opplagstall på papir og økt digitalisering er det viktig å opprettholde pressestøtten. Også i spørsmål om moms gir nå Stortinget klare signaler på at det er nullmoms som gjelder både på papir og på digitalt innhold. Det er bra. Institutt for journalistikk unngår kutt, samiske aviser kan opprettholde sitt nivå – vi er kommet til gode løsninger gjennom budsjettforliket. Et annet område som har vært viktig for Kristelig Folkeparti, er ensemblestøtten, som forvaltes av Kulturrådet. Jeg er glad for at forhandlingene i finanskomiteen ga en økning i bevilgninger til ensemblestøtten på 10 mill. kr. Det er penger som skal styrke den delen av ensemblestøtten som går til kor på høyt nivå. Den økte bevilgningen gir rom for at flere kor på høyt nivå kan motta ensemblestøtte fra Kulturfondet. Den tilskuddsordningen vi snakker om her, er en viktig ordning, og den er viktig for å løfte eksisterende kor. Jeg gjør særlig oppmerksom på flertallsmerknaden på sidene 70 og 71 i innstillingen, hvor økningen begrunnes og beskrives. Med den økte rammen skal flere kor inn under ordningen. Jeg er trygg på at Kulturrådet vil forvalte dette godt, og jeg regner med at både departement og kulturråd sørger for at midlene brukes etter intensjonen. Kristelig Folkeparti vil innføre en ny ordning for unge billedkunstnere, en kunstnerassistentordning. Det er en ordning som er foreslått av Unge Kunstneres Samfund, og som har Kristelig Folkepartis fulle støtte – heldigvis nå også stortingsflertallets støtte. Gjennom Gjennom ordningen kan nyetablerte kunstnere jobbe som assistenter for en mer etablert kollega, og den nyutdannede og den etablerte kunstner kan søke om midler sammen. Nå skal det jobbes videre med innretningen og kriterier for ordningen innenfor Talent Norge, i tett dialog med kunstnerorganisasjonene. Det ser jeg fram til. Så skal jeg bare helt kort nevne at jeg i et senere innlegg vil ta opp nemlig hvordan Stortinget skal kunne sørge for den nødvendige politiske prioriteringen mellom ulike kulturformål, en sak som bl.a. er relevant for den kommende gjennomgangen av Kulturrådet. Men dette kommer jeg altså tilbake til i et senere innlegg. Jeg mener for øvrig at det er riktig av departementet å åpne opp for at det nå kan gis støtte fra Kulturfondet også til dem som har årlige tilskudd over statsbudsjettet. En enstemmig komité slutter seg da også til dette i innstillingen. Til slutt et par enkeltsaker. ASSITEJ Norge driver et viktig arbeid på scenekunstområdet, og jeg er glad for at bevilgningen til ASSITEJ Norge økes med 1 mill. kr, slik at driftsstøtten blir nå på over på post 78. Det er viktig å understreke det jeg nettopp var inne på, at det nå kan gis støtte fra Kulturfondet selv om man har årlige tilskudd over statsbudsjettet. Jeg er også glad for at det er en samlet komité som velger å løfte fram ASSITEJ Norge i positive merknader. Oslo kirkemusikkfestival har vært på prioriteringslisten til Kristelig Folkeparti lenge. Den styrkes nå med 2 mill. kr utover det tilsagnet som allerede er gitt av Norsk kulturråd. Helt til slutt vil jeg nevne Oslo Korfestival, som også har fått en svært positiv flertallsmerknad. Det er veldig bra. Det blir replikkordskifte. Jeg er glad for representanten

Hva mener Kristelig Folkeparti om at offentlig støtte til kunst og kultur blir avhengig av private givere? I mitt innlegg var jeg opptatt av å si at det offentlige skal fortsatt være med og sikre at kulturlivet har gode vilkår. Det forutsetter også at offentlige tilskudd er på et høyt nivå. Når Kristelig Folkeparti ikke ser på private midler som «skitne penger», som var uttrykket man brukte,

på den offentlige støtten til kulturlivet. Kristelig Folkeparti skal være med på å bidra til at det også vil være slik i tiden framover. Jeg takker for svaret. Representanten Bekkevold er inne på at han i et senere innlegg vil komme inn på Kulturrådets omlegging og nye ansvarsområder. Jeg tillater meg likevel å spørre: Ser representanten fra Kristelig Folkeparti at det ville vært behov for en debatt i denne sal før de store endringene om ansvar og ansvarsområder til Kulturrådet ble endret for 2015? Ja, det er mange ting jeg mener vi burde ha diskutert i denne sal før man gjorde strukturelle endringer, og det er gjort en del strukturelle endringer i kulturbudsjettet. Man nevner én ting, den oppryddingen man gjorde på Kulturrådet ved å kutte på post 74 og kutte på post 74 og plassere noe på post 55 og noe på post 78, og noe ble loset inn på tippemiddeloverskuddet. Det er slike strukturendringer jeg tror det hadde vært lurt kanskje å ha en debatt om i denne sal før de ble gjort, men det er lite vi får gjort med det nå. Men vi har en veldig spennende debatt foran oss, og det er den debatten som nettopp går på Kulturrådet og gjennomgangen av Kulturrådet. Jeg forventer at vi får en god og grundig debatt i denne sal knyttet til det. Det fortjener Kulturrådet, og til syvende og sist fortjener kulturen dette, for det er på mange måter Kulturrådet som er med på å bidra til at vi har et levende kulturliv i Norge. Det er vel ikke tvil om at Kristelig Folkeparti er et parti med en kulturpolitikken, derimot, ser man at det er et sterkt fotavtrykk i Telemark. Jeg vet f.eks. at det er mange og gode telemarksmuseer. Telemark Museum ble nominert til Årets museum og fikk en andreplass. Spørsmålet mitt til representanten er: Har Kristelig Folkeparti en helhetlig Kan det være tilfeldig at representanten er fra Telemark? Jeg vil advare representanten mot til neste år å sørge for at bare Telemark får, men at han ser hele landet under ett. Aller først: Det er litt en tilfeldighet at jeg representerer Telemark, det er rett og slett det at jeg kom til det fylket i 1992, da det var ledig jobb der.

om vår stolte industriarv. Her snakker vi om Hydro, vi snakker om Sam Eyde, vi snakker om vannkraft. Da ser man at dette er ikke Telemark alene. Dette er et museum av nasjonal betydning, og Kristelig Folkeparti er opptatt av at vi skal ha en helhetlig nasjonal

Den typen tilbud må utvikles videre, og flere må også få lov å ta del i den typen tilbud. Da må også kulturmidler dreies i favør av det lokale kulturlivet. Hele landet må få ta del i veksten i kultursektoren, slik som det også ble understreket gjennom Enger-utvalgets rapport i fjor. La meg derfor vise til Senterpartiets alternative budsjett, der vi bl.a. legger inn et stort løft til lokale kulturtiltak, både over Kulturdepartementets budsjett og gjennom å øke inntektene til kommunene for å styrke bl.a. musikk- og kulturskolene, folkebibliotek og kirkebygg, for å nevne noe. Mange av framtidas ypperste kulturutøvere vil bli rekruttert fra det brede, lokale kulturlivet. Det er også en av grunnene til at det er nødvendig å satse på kultur i all dens bredde. Kulturell infrastruktur, som utstyr og øvingslokaler, vil være veldig viktig for å bringe fram utøvere og produksjoner. Rundt omkring i landet fins det i dag en rekke organisasjonseide kulturbygg, som betyr mye for det lokale kulturlivet. De har etter hvert et betydelig vedlikeholdsetterslep, og behovet for ombygging og modernisering er stort veldig mange plasser. En egen tilskuddsordning for organisasjonseide kulturhus og utvidet momskompensasjon for ombygging av denne typen hus er etter Senterpartiets mening nødvendig for å ta vare på den kulturelle grunnmuren som

Alle sammen har ment at momsen skal dekkes fullt ut. Da er det også bra at midlene økes til neste år, sjøl om jeg har mine tvil om tilleggsbevilgningen vil være tilstrekkelig. Men den runden vi har vært gjennom i år, bør bety at Stortinget nå gjør et vedtak om en ordning som gir en rett til refundering av moms, ikke en budsjettpost som kan vise seg utilstrekkelig i relasjon til den faktiske anleggsaktiviteten som foregår. Målet er jo at idretten skal få moms refundert, ikke at idretten skal måtte leve med usikkerhet fordi de må konkurrere om en pott som blir for liten, og fordi aktiviteten ute er for stor. Det må føles litt rart for Høyre og Fremskrittspartiet, som har argumentert sterkt imot pressestøtten og for så vidt også sterkt imot nullmomsen, at en klar og tydelig Jeg håper det betyr at vi snart kan legge diskusjonen om reduksjoner i pressestøtten bak oss, og jeg håper også at det betyr at regjeringen tar et ansvar for å argumentere nullmomsordningen fram også overfor ESA. En ting som er egnet til bekymring, er imidlertid noe som representanter har vært opptatt av også tidligere under debatten i kveld, og det er hva denne regjeringen kommer til å ønske å gjøre med framtidas NRK. Senterpartiet ønsker at NRK skal ha mulighet til å delta i utviklingen innenfor mediemarkedet på linje med andre aktører, og vi mener det vil være svært uheldig å vingeklippe NRK. Derfor ønsker vi også å prisjustere NRK-lisensen. Vi mener også at NRK må sikres inntekter til videre utvikling som allmennkringkaster med en sterk regional forankring. Etter min mening er det konstruert mange motsetninger mellom NRK og andre medieaktører. Noen mener at NRK ikke skal få utvikle seg på nettavis. Det synes merkelig, all den tid avisene har meldt seg på tv-markedet, som er en stor del av deres tilbud. Andre mener at NRK ikke bør få lov å strømme sine sendinger gratis. Men det må jo være målet at NRK ikke skal finansiere tilbud gjennom annonsemarkedet. Det ville kommersielle medieaktører kunne Hvis vi nå skal begynne å dirigere hvilken innholdsproduksjon NRK skal bidra med, kommer vi også lett borti at en politisk forsøker å styre NRKs redaksjonelle virksomhet. Det ville være meget uheldig. Senterpartiet mener at for å avklare de grunnleggende rammebetingelsene for en rekke ting innenfor mediepolitikken, er det behov for et bredt medieforlik, som kan stå seg på lang sikt, og dermed skape forutsigbarhet.

Senterpartiet har hatt et rørende engasjement for disse organisasjonene, spesielt 4H, og synes det er ganske ille at disse nå ikke skal ha disse lokalene lenger. Jeg lurer på om representanten Arnstad kan redegjøre for de prinsipper hun mener må ligge til grunn for hvem som åpenbart skal ha gratis lokaler av staten, og hvem som da eventuelt ikke skal ha det.

med samlokalisering hos Fylkesmannen, det har bakgrunn flere tiår tilbake. Da synes jeg nok at det er nokså bryskt og unødvendig av regjeringen med et pennestrøk bare å slå en strek over hele den historien som har vært over flere tiår, og så si at nå skal en ikke lenger få lov å ha kontor hos Fylkesmannen. Jeg mistenker egentlig ikke 4H og de andre organisasjonene for å luske omkring og snoke på Fylkesmannens kontor, men jeg tror at de har hatt en ordning som egentlig har fungert ganske godt i veldig mange fylker. Jeg forstår bekymringen til Senterpartiet når de sier at det er viktig at politikerne har en armlengdes avstand til Medie-Norge. Den bekymringen forstår jeg, og den tror jeg det er stor enighet om i Stortinget. Det er ikke heldig at man har for nære og tette bånd. Dette med NRK, hvordan det skal finansieres, er jo klart en del av den diskusjonen. Men når man snakker om produksjonsstøtte, som går direkte over statsbudsjettet, som går rett inn i kassen til Nationen, til Klassekampen, til Vårt Land, da hører vi ikke om den armlengdes avstanden lenger. Hvordan vurderer Senterpartiet sin lengde på armene inn i Nationen? Pressestøtten har fungert svært godt, særlig i relasjon til to biter av mediemarkedet i Norge. Det ene er å styrke de lokale medieaktørene, og det andre er å styrke også de meningsbærende riksavisene. Det synes jeg har vært en fornuftig og god ordning som har bidratt til et mediemangfold i Norge. Jeg synes ikke det er grunnlag for på noen måte å si at man gjennom pressestøtten på noen måte har påvirket innholdsproduksjonen eller forsøkt å styre innholdsproduksjonen. Tvert imot, dette har eller forsøkt å styre innholdsproduksjonen. Tvert imot, dette har vært en grunnleggende støtte ut fra klare kriterier. Men problemet er at Høyre og Fremskrittspartiet, dersom de setter krav om at NRK skal begrenses til smale, kommersielt uinteressante konsept, kan komme til å begynne å styre innholdsproduksjonen i NRK. Det kan være et spørsmål med hensyn til den redaksjonelle friheten, som også NRK bør ha.

med nye momsordninger og nye støtteordninger knyttet opp til lederlønn og hva vet jeg. Det jeg lurer på, er knyttet til at f.eks. Nationen mottar omtrent 2 000 kr per abonnement. Eller et annet regnestykke: Hvis man ser på journalistene som jobber i medier som mottar pressestøtte, så mottar de i gjennomsnitt ca. 720 000 kr per årsverk til sammenligning Hva mer mener Senterpartiet skal til for at Nationen og andre skal klare omstillingen enn at man får 2 000 kr per abonnent og 720 000 kr per ansatt journalist? Hva mer er det som kan ligge til grunn for at man etter 18–19 år med nettaviser i Norge skal klare omstillingen? For det er jo ikke sånn, som vi er enige om, tydeligvis, at krisen har oppstått akkurat nå. Det skjedde en viktig ting under den rød-grønne regjeringen som dessverre har endret seg etter at de blå-blå kom, og som har skapt stor usikkerhet, og det er at vi gikk ikke hvert år til et så grunnleggende angrep på pressestøtten som det den blå regjeringen gjør. Ikke bare det, den går til angrep, og så taper den et slag i Stortinget, og så går den til nytt angrep igjen. Den type usikkerhet skapte ikke den rød-grønne regjeringen omkring pressestøtten og ordningene rundt media. Når det så gjelder ordningene knyttet til de ulike avisene, synes jeg egentlig de fungerer litt forskjellig for de ulike avisene vi snakker om, enten det er lokalaviser, nr. 2-aviser eller meningsbærende riksaviser. Jeg har ikke noen inngående kjennskap til hvordan det fungerer med tanke på hver enkelt avis, og jeg kan ikke kommentere de tallene som Kårstein Eidem Løvaas her legger fram omkring det.

og ser at det kanskje er nullmoms som er det som skal til for å redde det frie ord i Norge, er jo nettopp at vi har hatt en regjering som har skubbet og skubbet dette foran seg. Så jeg syns faktisk at kritikken mot kulturministeren er ganske urimelig, for kulturministeren har jo vært den kulturministeren som har klart å få fortgang i akkurat dette som vi ventet på at den rød-grønne regjeringa skulle få gjort noe med, og som har vært veldig løsningsorientert for at vi skulle bringe denne saken framover. Den har vært i bakevja, og det har bare vært en løselig diskusjon her uten vilje til å gjøre noen ting når statsråder og Finansdepartementet har bremset imot. Nå mener jeg vi er inne på et godt spor for å klare å lage en samlet politikk som en stor del av Stortinget stiller seg bak, og jeg håper at somlinga til den forrige regjeringa ikke har påført norske medier skade.

med Kristelig Folkeparti styrket deler av budsjettet som vi syns det var viktig å løfte fram, også innenfor mediemangfoldet, ved at vi nå har fått inn samiske aviser, at de minoritetsspråklige avisene ligger under Kulturdepartementet på integrering, og Institutt for Journalistikk. Dette er viktige grep for å passe på at vi har bredden innenfor norsk mediemangfold. Så er vi veldig glad for at vi fikk til det løftet som gjør at Stiftelsen Norsk Folkemuseum vil være i stand til å inkludere Norsk Maritimt Museum, Så må jeg si at jeg personlig er veldig glad for at vi fikk på plass de tre litteraturhusene vi har i Norge, til en basis på drift, og jeg tror at det kommer til å være viktig for utviklinga av litteraturen i Norge. På samme måte er jeg veldig glad for at vi fikk inn et ekstra løft for barnelitteratur i innkjøpsordninga. Bibliotekene våre er viktige nøkkelinstitusjoner, og det var det Enger-utvalget virkelig påpekte hadde blitt svekket under det rød-grønne Kulturløftet. Det å holde basisinstitusjonene våre «ved god helse» når det gjelder kulturlivet vårt, er viktig, og da er kanskje barnelitteratur i de offentlige bibliotekene et av de viktigste løftene som skal til. Så det er vi veldig glad for at vi fikk Så er jeg glad for at komiteen også fikk Grenland Friteater inn i den ordninga, og at vi fikk inn Oslo internasjonale Kirkemusikkfestival. Da kommer jeg tilbake til de tre utfordringene som jeg har til kulturministeren på kulturområdet framover. Det at Oslo internasjonale Kirkemusikkfestival har falt utenfor alle knutepunktsdebatter fordi vi tenker at et knutepunkt bare skal være ett uttrykk på hvert område, har vist hvor svak ordninga med knutepunktsarrangement faktisk er. Oslo internasjonale Kirkemusikkfestival er et typisk eksempel på at det systemet ikke fungerer godt. Jeg er glad for at statsråden har sagt at hun skal gjennomgå det. Komiteen har enstemmig sagt at de imøteser den gjennomgangen – knutepunktstankegangen er nå klar for en revidering. Så er lei meg for at det bare var Venstre – nå må jeg innrømme at jeg ikke har sjekket SV, så det er mulig at SV gjorde det – i sitt primære budsjett la inn Rock City. Det gjorde det vanskelig å komme videre. Det er et prosjekt som på gyngende grunn, noe som gjør at vi har problemer med å bringe det videre, men det er et unikt kompetansemiljø som man må finne måter for å bringe videre. Vi i Venstre har en god del ideer om hvordan det kan gjøres, og vi håper regjeringa er lydhør for de ideene, for dette er et kompetansemiljø vi ikke kan miste. Og sjøl om det ble startet på et dårlig grunnlag, må vi bringe det videre, for vi kan ikke bare la det forsvinne. Så er det en siste utfordring til statsråden framover, og det er fordelinga mellom teatrene, spesielt i denne byen, der vi ser at noen teater over tid har fått en veldig fordelaktig fordeling av de midlene som går til teatrene. Venstre har vært spesielt opptatt av at Det Norske Teatret har tapt over tid i den fordelingsnøkkelen mellom de viktige nasjonale institusjonene som ligger innenfor synsranden fra denne talerstolen. Det blir replikkordskifte. Etter prisverdig innsats fra Kristelig Folkeparti og Venstre i forhandlingene fikk man rettet opp de verste forslagene til kutt på mediefeltet når det gjelder Institutt for

Hvordan vil Venstre reagere hvis regjeringen nok en gang kommer med tilsvarende forslag om kutt på mediefeltet? Det var en veldig god grunn til å skifte regjering, og det var at den forrige regjeringa aldri fikk ut fingeren – jeg vet ikke om det er et parlamentarisk uttrykk – aldri fikk gjennomført forslaget om å digitale. Det var en av de tingene vi virkelig prøvde å få løftet i forrige periode. Det var et av de spørsmålene vi gang på gang ba om å få en avklaring på. Nå først har det begynt å løsne. Når vi fikk regjeringspartiene i den rød-grønne regjeringa ut av Finansdepartementets kontorer, begynte det å løsne. Jeg er veldig glad for at vi har fått det til. Det er kjempeviktig. Det er det viktigste grepet, mye viktigere enn pressestøtte, mye viktigere enn Institutt for Journalistikk, at vi får på plass

god løsning. Istedenfor å svare på spørsmålet viser Trine Skei Grande bare til det som skjedde i forrige periode. Jeg kan da minne om at den rød-grønne regjeringen økte produksjonstilskuddet til norske aviser i hvert eneste budsjett. Det eneste denne regjeringen så langt har foreslått i denne perioden, er tiltak som den rød-grønne regjeringen satte i gang, nemlig å gjøre produksjonstilskuddet plattformnøytralt. Vi økte også NRK-lisensen, slik at NRK har mulighet til å gjøre den jobben man skal gjøre i forhold til f.eks. beredskapsansvaret. beredskapsansvaret. Det er ikke til å legge skjul på at man bare for inntil et år siden fikk et entydig råd fra mediebransjen om at det var 8–8 som var det foretrukne momsalternativet. Det har skjedd mye i de fleste politiske partier, men også i mediebransjen, som har representert en modningsprosess. modningsprosess. Jeg er glad for at Venstre og Kristelig Folkeparti, sammen med stortingsflertallet, har presset regjeringen til retrett i momsspørsmålet. Men spørsmålet mitt gikk på: Kan Venstre sitte og forsvare og sørge for parlamentarisk grunnlag for en regjering som til stadighet kommer med vesentlige angrep på mediefeltet? Vi støtter en regjering i dette budsjettet som faktisk gjør det som vi har etterlyst kjempelenge. det som vi har etterlyst kjempelenge. Det å snakke om retrett når det er første gangen man gjør endringer i momssystemet, syns jeg er en ganske underlig framstilling av det som faktisk har skjedd. Så er det klart at vi i Venstre har også vært for et mindre kutt i pressestøtten. Vi har vært for en annen modell enn den som den forrige regjeringa sto for. Vi skal nok stå for at vi skal lage ordninger som sikrer at det frie ord blir uttrykt. Det å tro at det går bare ved å beholde de gamle støtteordningene og de gamle måtene å støtte media på, tror jeg er feil. Jeg tror momsen er kjempeviktig, og så tror jeg vi må se på nye ordninger framover for å sikre den frie journalistikken, og kanskje ikke det skal gjøres med å støtte noen få aviser. Kanskje det skal gjøres med en enda bedre støtte for kvalitetsjournalistikken som vi vet vi trenger framover. Da må man tore å tenke nytt, og ikke være kry over at man økte de gamle ordningene med noen promiller her og der. Representanten Skei Grande sa at det bare var

Men jeg vil egentlig utfordre Skei Grande litt på hva stortingspartiene sammen kunne klare å gjøre for å hindre at dette reelt sett betyr en nedleggelse av hele Rock City. Jeg leste ikke Senterpartiets primære forslag, beklager, det hadde jeg ikke sjekket på dette punktet, det går godt an. Men Arbeiderpartiet la det ikke inn i sitt primære, de har omdisponert innenfor ramma på kultur og funnet ca. halvparten av det som trengs til å gjøre det. Det er en heltemodig innsats i seg sjøl, men det hadde faktisk hjulpet inn i våre forhandlinger hvis det hadde vært et bredt press fra Stortinget – alle opposisjonspartiene – om at dette var noe vi måtte fikse. Det var det ikke, og vi tapte den kampen i første omgang. Men jeg tror at det er viktig å se på det fagmiljøet som er der. Der fikk vi også inn en merknad som det er enighet om her, og det kommer vi til å forfølge videre. videre. Det er viktig å ta vare på miljøet og de investeringer som er gjort der, og de fagfolkene som er der, og se også på muligheten for å utvikle dette mer i næringsøyemed, fordi det er veldig mange næringer som er knyttet til dette i Namsos-miljøet. Det er der jeg tror det ligger et stort potensial, og det kommer vi til å jobbe videre med

Venstre å ta vare på dem som opplever sterk grad av spilleavhengighet, når en ser det presset som nå ligger på utenlandske spillselskaper? Jeg regner med at flere enn meg leste et oppslag i VG om hvordan spillselskaper i utlandet virkelig er aggressive overfor dem som har spilleproblemer. Hvorfor ønsker ikke Venstre å ta vare på de ordningene som vi har for å kunne begrense spilleavhengighet i Norge, når man ønsker å være med og liberalisere Det er jo nettopp derfor vi vil gjøre det – nettopp fordi vi i dag ser at vi har noen norske spill som taper i alle markedssituasjoner, og så har vi noen utenlandske spill som nå tar mer og mer av det norske spillmarkedet, som er mer og mer aggressive, og som fører til mer og mer avhengighet og problemer for dem som spiller. Vi burde hatt et system der vi hadde styring på de spillene som norske borgere faktisk spiller på. spiller på. At det skal skje innenfor et monopol som heter Norsk Tipping, tror ikke jeg noe på. Jeg tror man kunne gjort det ved å slippe til andre aktører, men da må en ha kontroll på dem. Det som Arbeiderpartiet gjør, er at de krampaktig holder på én aktør, som stadig taper i markedet, mens vi ser at de som virkelig vinner i markedet, er de aggressive, de som skaper problemer, de som skaper gjeldsproblemer, de som skaper spilleproblemer – alle dem som blir framelsket av et gammeldags monopol som ikke klarer å vinne fram i en ny teknologisk hverdag.

å forvalte kulturarven vår, men også å sørge for at tilgangen til å delta i og å benytte seg av kultur er der for alle. Derfor er ikke alltid kulturpolitikk forenlig med et fritt marked. Det får vi synliggjort med den nye regjeringen vi har fått. Mønsteret er kjent. I går kom OECD med en rapport som viser at veksten i Norge har vært mye lavere som følge av økonomiske forskjeller i landet vårt. Kunnskapen er der, og internasjonalt står Her i Norge velger regjeringen heller å stole på egen magefølelse og føre en ikke-kunnskapsbasert politikk, som øker forskjellene, f.eks. med store skattekutt. Det samme finner vi igjen i kulturpolitikken. Her virker det ofte som at det er viktigere for regjeringen at markedet ikke skal bli lei seg, enn at det skal føres en politikk som virker. Ofte bruker høyresiden argumenter og påstander om manglende mangfold og valgfrihet og kvalitet som argumenter for privatisering. I kulturdebatten har det vært litt omvendt: Her er det offentlige for bra. All viraken rundt yr.no f.eks., forrige vinter, er en god illustrasjon. For kulturministeren har det virket irrelevant at yr.no funker, at det er en suksess som er til glede for nordmenn og folk fra hele verden, for markedet blir lei seg, noen kunne jo tjent store penger på yr.no istedenfor at det kan være et offentlig gode. Jeg tror at kulturpolitikken i stor grad må stakes ut i motsatt retning av det Fremskrittspartiet og Høyre måtte ønske seg for at vi skal ha en god kulturpolitikk i Norge. Derfor foreslår SV å fortsette Kulturløftet. Vi er det eneste partiet som viderefører Kulturløftet med 1 pst. og opprettholder hele krafttaket i kultursatsingen. Kultur er kjernen av det som er viktig i livet til folk, sammen med arbeid og utdanning og helse. Derfor må det prioriteres. Kultur skal ikke være et side kick-budsjett sånn litt på siden. Det andre er mediemangfold og pressestøtte, som debatten har gått høyt om i dag. Vi foreslår en egen mediemangfoldspakke. Vi foreslår innovasjonsstøtte – mer innovasjon var etterlyst fra Høyre, uten at de bruker mye krefter på det. Vi foreslår den direkte støtten til journalistikk som representanten Skei Grande var innom og snakket godt om i stad. I alt har SV foreslått 100 mill. kr mer i pressestøtte enn det regjeringen foreslo. Jeg synes at forslaget om felles lavmoms kombinert med reduksjon i pressestøtte, som var regjeringens forslag, vitner om en regjering som er blind for de utfordringer som bransjen står overfor. Tidligere i debatten her kunne vi høre en representant fra Høyre si at man ikke kan bruke momspolitikken som virkemiddel for å hjelpe en mediebransje i krise, men at pressestøtten kun skal hvile på politiske vurderinger. Vel, vi i SV mener at pressestøtten er viktig politikk, men la oss bare huske de ordene fra Høyre neste gang de presenterer fiktive tåreperser fra norsk næringsliv som argument for å kutte i formuesskatten. Jeg tror et bredt forlik om mediestøtte trengs. Regjeringen har ikke lagt til rette for det foreløpig. Det er en økning i pressestøtten som har funnet veien inn i budsjettforliket, og det er at Kristelig Pressekontor økes med kr. Det er nå hyggelig det, men jeg tror nok også at sentrumspartienes ambisjonsnivå er høyere enn å reversere de verste og mest urimelige kuttene til regjeringen, krydret med noen millioner for å hilse hjem. Så er det bibliotekene. Det er kanskje de viktigste kunnskapssentrene vi har i vår tid. Bibliotekene er kanskje viktigere enn de noen gang har vært. Bruken øker. En sterk bibliotekpolitikk trengs, og kanskje spesielt i disse dager når landet styres av et parti som tidligere ikke har gått av veien for å foreslå brukerbetaling på biblioteker, og et annet parti som tenker høyt om å fjerne populære sjangere fra innkjøpsordningen – nok en gang fordi det offentlige tilbudet er for bra, og da blir markedet lei seg. Derfor foreslår SV et biblioteksløft på 50 mill. kr, både til kompetanseheving og til et nasjonalt Vi i SV tror på en fellesskapsbasert og sterk offentlig kulturpolitikk, det er det som sikrer et fritt og uavhengig kulturliv. Debatten går ofte høyt i Norge om ytringsfrihet, spesielt når representanter fra et bestemt parti har vært ute og sleivet om en eller annen minoritetsgruppe. Da er ytringsretten viktig. Ofte forveksles politisk kritikk i Norge med forsøk på knebling, men det aller viktigste vi kan gjøre i Norge for å sikre ytringsfriheten, er å sikre ytringsfriheten gode kanaler, og de beste kanalene for ytringsfriheten er gode medieinstitusjoner: aviser, radiokanaler og tv-stasjoner. Der har regjeringen en lang vei å gå erkjennelsesmessig. Presidenten er litt usikker på om begrepet «sleivet» er et parlamentarisk uttrykk å bruke om sine medrepresentanter. Det blir replikkordskifte. Offentlige eller private penger oppfatter jeg er
Isaksen, vær så god.

selv. I dette luftslottet er målet 1 pst. – man skal nå 1 pst. Men hva skal disse pengene brukes til? Det virker som om målet er 1 pst. av brutto nasjonalprodukt, og hva innholdet er, er ikke så viktig. Jeg slet med å finne et spørsmål i polemikken fra representanten. For all del, jeg synes private bidrag til kulturlivet er bra. Jeg er selv musiker, jeg vet godt hvordan god kultur oppstår i skjæringspunktet mellom masse bra privat initiativ og offentlig støtte. Men den offentlige støtten er ikke et mål i seg selv, det er det som er hele poenget vårt. Den offentlige støtten er et virkemiddel vi bruker fordi vi er villig til å si at enkelte ting ikke har en prislapp, enkelte ting er det viktig at vi bruker mye penger på, sånn at en sektor kan være fri. Istedenfor å ty til eufemismer av den typen kulturministeren har gjort, som hevder at kulturlivet – eller pressen i dette tilfellet – blir mer fri og uavhengig av å få mindre penger, velger vi heller å være ærlig og si at vi er villig til å prioritere på kultur, istedenfor de prioriteringene Høyre gjør, som er store skattekutt til en liten gruppe. Det er ingen tvil i mitt hjerte om hva som gir størst glede i det ganske land. Spørsmålet var for så vidt: Hva er innholdet? Jeg har inntrykk av at målet er 1 pst. av brutto nasjonalprodukt, og så sier man veldig lite om hva man ønsker å bruke disse pengene til i SVs alternative budsjett. Men et annet spørsmål: Representanten Serigstad Valen var inne på moms, slik jeg også var i mitt innlegg, hvor jeg understreket at det ikke måtte bli et verktøy for å hjelpe en bransje i krise. Det må være andre hensyn som ligger til grunn hvis man ønsker å innføre har egentlig bare lyst til å spørre om representanten mener at det å senke momsen er et nyttig økonomisk verktøy hvis en bransje sliter. Nei, det er tvert imot Høyre som pleier å ta til orde for å senke skatter og avgifter for å hjelpe bransjer de hevder er i krise. Vi i SV er helt ærlige på at vi mener at nullmoms for pressen er et godt mediepolitisk virkemiddel, og vi har tatt til orde for et bredt forlik i Stortinget, der vi ønsker at flere partier skal være med på en sånn løsning. Jeg håper at Høyre også etter hvert blir det. Men så mener jeg selvfølgelig at vi bør ha et blikk på at mediebransjen er i krise når vi uansett diskuterer disse sakene. Det er jo ikke sånn at hverdagen i avisredaksjonene i norske lokalaviser, i Nationen og i Klassekampen, som ble nevnt som eksempler tidligere, er uavhengig av den økonomiske situasjonen ellers. Jeg mener at en av de viktigste formene for næringsliv vi kan ha i Norge, en forutsetning for demokrati og frihet, er en fri og uavhengig presse. Da er det selvfølgelig sånn at vi bør stille opp med det som trengs for å sørge for at den friheten er reell og ikke f.eks. kun prisgitt internasjonale mediekonsern med andre hensikter enn et godt offentlig ordskifte i Norge. Representanten fra SV listet opp mange viktige kulturtiltak for SV, dette med talenter, kulturarven, kultur for alle, breddekultur, ikke minst at man også får kulturen ut der folk bor, diskusjoner rundt presse, økning på biblioteker – ja, jeg er enig med SV i alt dette. De har store ambisjoner, og det har vi også. Da har jeg et spørsmål: SV har syv representanter på Stortinget, men har valgt bort kulturkomiteen. Jeg skjønner at det er mer stas å sitte i finanskomiteen, transportkomiteen eller næringskomiteen. Når SV har så høye ambisjoner på kultursiden, hvilke vurderinger har SV da gjort når de velger bort å ha representanter i en slik viktig komité, som jeg skjønner også representanten mener det er?

Men så vidt jeg har forstått, har ikke SV adgang til å sitte i familie- og kulturkomiteen på grunn av lavt antall medlemmer, og fordi vi er få representanter. Om jeg tar feil i det, rettes jeg gjerne på det, men det ærlige svaret er at jeg har ingen forutsetning for å kunne svare på hvilke komiteer SV burde sitte i og ikke, gitt vår oppslutning. Presidenten må be om at representantene ikke avbrytes. Representanten Thomsen kan få en replikk til hvis han ønsker det. – Det gjør han ikke. Replikkordskiftet er da

Filminstituttet og andre tilskuddsforvaltere. Jeg er glad for at det er blitt så bred politisk enighet om kulturbudsjettet for 2015. Gjennom budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre er et godt budsjett styrket ytterligere. Kulturbudsjettet øker med 3,7 pst. i 2015, med ny tippenøkkel er økningen på Regjeringen har satt av 30 mill. kr til et nyskapende og helhetlig løft for talentutvikling. I nært samarbeid mellom det offentlige, private aktører og kulturlivet selv – og supplert med private bidrag – skapes en ny arena for å bygge positiv prestasjonskultur. I tillegg vil regjeringen bidra til sterke regioner i norsk kulturliv. Skapende, kreative miljøer og aktører i regionene skal gi økt konkurranse og dermed bedre kvalitet i hele kulturlivet. Derfor vil vi styrke aktører som Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, Edvard Grieg Kor i Bergen og Nordnorsk Kunstmuseum på Svalbard, for å nevne for museer har vært en suksess. I prøveåret har vi fått søknader for over 17 mill. kr for en ordning på 10 mill. kr. I 2015 tredobler vi beløpet. Dette kan utløse gaver for 150 mill. kr til norsk kulturliv. Økt privat finansiering og engasjement gjør kulturlivet sterkere, mer uavhengig og øker maktspredningen, som igjen gir mangfold. Derfor vil vi vurdere skatteincentiver og ulike gaveforsterkningsordninger for å utløse mer privat kapital. Regjeringen fullfører opptrappingen av ny tippenøkkel. Norsk Tippings overskudd vil fordeles med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til humanitære formål. Andelen som til nå har gått rett i statskassen, føres altså tilbake til tippenøkkelen. Dette gir over 300 mill. kr mer til idrettsformål, mer til kulturformål og 19 mill. kr mer til humanitære formål. Bibliotekene er våre best likte og mest brukte kulturhus, og vi har over 428 litteraturhus i hele landet. Regjeringen vil bidra til at bibliotekene kan utvikle seg som kunnskapsformidlere i en digital tid og gjøre dem bedre i stand til å formidle sitt litteratur- og kulturtilbud. Derfor styrkes utviklingsmidlene med nærmere 70 pst., til ca. 50

Frivilligheten er overhodet ikke noe supplement til det offentlige, som en så ofte hørte fra de rød-grønne. Den har stor egenverdi og har en vesentlig plass i samfunnet vårt. Fortsatt oppslutning om frivilligheten er avgjørende når vi skal ruste Norge for Regjeringen fjerner innmeldingsavgiften til Frivillighetsregisteret, slik at flere kan få tilgang til grasrotandel og momskompensasjon. Vi fortsetter å styrke de nøytrale rammevilkårene. Gavefradraget økes, grensen for lønnsoppgaveplikt heves, og grensen når det gjelder fritak for å betale arbeidsgiveravgift, øker både per ansatt og per organisasjon. Slik styrker vi både økonomi og uavhengighet hos frivilligheten. Samtidig reduseres byråkratiet slik at mer tid kan gå til frivillig innsats og mindre til papirarbeid. I Frivillighetserklæringen anerkjenner regjeringen frivillighetens egenart og selvstendige verdi. Det skal bli enklere å få informasjon, enklere å søke tilskudd og enklere å kunne delta. Jeg er glad for at de frivillige får tilbake mer moms i år, avkortingen er nesten halvert fra i fjor. Og i 2015 styrkes ordningen ytterligere. Momskompensasjon for idrettsanlegg får et historisk løft, og vi styrker bevilgningen for flere nye frivillighetssentraler. Regjeringen vil styrke produksjon, formidling og etterspørsel av visuell kunst, musikk og scenekunst. Vi øker bevilgningen til en rekke orkestre, scenekunstinstitusjoner, programmerende scener og aktører i det frie feltet rundt om i landet. I tillegg til å styrke Kulturfondet styrker vi også Fond for lyd og bilde for å øke bredden av finansieringskilder for det frie feltet. Det blir replikkordskifte. En av de tingene som er mest omtalt i det budsjettforslaget som regjeringen har lagt fram, er kuttet på Den kulturelle spaserstokken. I Aftenposten i dag har vi sett at det kun skyldes kommunikasjonsproblemer: Statsråden har ikke fått fram at det var en bevilgning på 5 mill. kr til et sangprosjekt. Men når statsråden kutter en bevilgning på 30 og skal erstatte det med en bevilgning på 5 mill. kr, må jo det være et uttrykk for den ambisjonen statsråden har på feltet. Er det flere poster der statsråden mener at man kan erstatte en bevilgning på 30 mill. kr med en på 5 mill. kr, altså en sjettedel? Nå er det sånn at regjeringen foreslo å avvikle statstilskuddet, ikke nødvendigvis ordningen. sånn at regjeringen foreslo å avvikle statstilskuddet, ikke nødvendigvis ordningen. Sånn som ordningen er innrettet, har kommunene fått styrkede midler for 2015 sammenlignet med det de har fått før. I motsetning til i de siste årene får kommunene med dette statsbudsjettet et reelt økt handlingsrom neste år, og når forslaget først ville fått effekt i 2016, ville kommunene hatt økonomi til også å vurdere hvordan de ville videreføre Spaserstokken.

kompromisset, eller samarbeidet, som vi har fått med Kristelig Folkeparti og Venstre, er dette overført til fylkeskommunene og kan utleveres direkte. Jeg registrerer at pengene er lagt over i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Jeg registrerer også at i går ble det stemt over en øremerking av bevilgningen her i denne sal, noe regjeringspartiene stemte imot. Det overrasker meg faktisk når man er for ordningen.

som faktisk kunne gått til styrking av og vært med på å heve tilbudet bl.a. til demente. Når det gjelder momskompensasjon for idrettsanlegg, har regjeringen nettopp kommet tilbake i forbindelse med salderingen og bidratt til at vi har fått full momskompensasjon, og det er for inneværende år. Når det gjelder neste år, har vi økt det i det budsjettet som vi har lagt fram, men vi har også en økning i det forslaget som har kommet i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Det har bidratt til at det faktisk er mer midler disponible. Det er overraskende når kulturministeren sier at vi har stemt imot 15 mill. kr på helsebudsjettet. Det var iallfall nytt for meg.

år. Da må jeg gjenta spørsmålet mitt: Hvorfor er det viktig å øke en ordning som det ikke er full etterspørsel etter i dag – for det var langt unna det statsråden bevilger penger til – istedenfor å prioritere momsen på idrettsanleggene?

Det er helt riktig at for inneværende år har vi bidratt til at det blir full momskompensasjon, som blir betalt tilbake til organisasjonene på anlegg. Og så har vi en sum på 100 mill. kr for neste år. Hvis det skulle vise seg at det er for lite, har vi god anledning til å komme tilbake igjen til det

regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre – har rammet inn en ordning som har vært viktig for Kristelig Folkeparti, og som vi kaller kunstnerassistentordningen, noe Unge Kunstneres Samfund har tatt til orde for. Vi har rammet inn dette i Talent Norge, for vi ser at Talent Norge og denne kunstnerassistentordningen passer veldig godt sammen.

kanskje muligens allerede neste uke, både når det gjelder omfang og innhold. Det er en veldig spennende modell som vi har kommet fram til. Vi er i god dialog med både stiftelsesforeninger og andre som kan tenke seg å være med på å støtte det. Dette er med på å underbygge mange av søknadene som vi har fått inn i løpet av året som har gått, for det er behov for å satse mer systematisk på talentutvikling også innen kulturlivet, slik som man har hatt innenfor f.eks. idretten.

kutte den ordningen. Så inngikk en et forlik der en har lagt statens midler til dette prosjektet inn i fylkeskommunens ramme. Men det er to problemer med det. Det ene er at denne regjeringen etter hvert har lagt mange oppgaver inn i kommunenes og fylkeskommunenes rammer som ikke blir finansiert, og det andre er at vi allerede ser en stor skattesvikt i kommunene som regjeringen har sagt at den ikke vil kompensere. Hvis dette bildet fortsetter, betyr det i realiteten at en blir nødt til å avvikle Den kulturelle spaserstokken i mange kommuner.

har kommunene fått en veldig god ramme til neste år. De har faktisk fått en bedre ramme enn tidligere. At de faktisk har et økonomisk handlingsrom for å kunne prioritere dette, er jeg helt sikker på. I tillegg gis det 30,8 mill. kr gjennom dette budsjettforliket til fylkeskommunene som går til Den kulturelle spaserstokken, men det går inn i Det er jo sånn at denne ordningen har vært et spleiselag mellom Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet siden 2007, men jeg mener at det er en bedre måte som det nå overføres på, enn det som var tidligere. Det hører med til historien at vi brukte en del av disse pengene. Det er jo ikke sånn at ordningen som sådan har blitt tatt ut. I kulturbudsjettet har vi vist vilje til å prioritere tiltak som også kan være med på å bidra til kultur i institusjoner, men også i Helse- og omsorgsdepartementets budsjett hadde vi en annen innretning på disse midlene som ville vært med og bidratt til at man hadde fått et bedre tilbud. Jeg er veldig enig i det Bekkevold sa om kunstnerassistentordninga. På samme måte er Valdres Sommersymfoni og andre ting som virkelig er

Men for meg blir det et symbol på at knutepunkttankegangen ikke fungerer optimalt. Vi klarer ikke å dyrke fram de gode miljøene med tankegangen om at det bare skal være én i Norge, og at man skal bidra lokalt. Knutepunkttankegangen er også en veldig stor belastning for Oslo kommunes budsjett. Så hva tenker statsråden egentlig på å gjøre med den ordninga når hun ser

forventet. Det betyr at jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til Stortinget med en vurdering av hva man egentlig bør gjøre, og om man bør ha en annen innretning på dette. Jeg vil i hvert fall ha en god vurdering av om man med en mer målrettet bruk av disse midlene vil kunne klare å få til en effekt hvor man kan skape motivasjon for andre. Replikkordskiftet

hvor regjeringen skriver: «Ordningen foreslås avviklet fra 2015.» Så la oss be statsråden komme opp igjen på talerstolen og rydde opp i det som åpenbart må være en misforståelse i statsrådens eget hode. Kårstein Eidem Løvaas brukte sitt innlegg til å snakke om mediepolitikken, og han kommer nok en gang med påstander om at mediestøtten fungerer konserverende ikke bidrar til innovasjon. Da vil jeg gjerne anbefale Eidem Løvaas og flere i Høyre å ta en besøksrunde rundt omkring i norske redaksjoner og mediehus. Norge har kanskje verdens mest velfungerende mediemarked. Vi har større mangfold av aviser enn noen andre. Vi har også større mangfold når det gjelder kringkasting, både på tv og radio. Vi ser også at norske aktører vinner priser internasjonalt, både de som mottar direkte produksjonstilskudd, og også de som mottar indirekte støtte gjennom momsen. Så man må gjerne være imot mediestøtte av ideologiske grunner, og henge fast i den hengemyra, men å påstå at mediebransjen, som kanskje er den bransjen som i dag, internasjonalt og i Norge, er i raskest endring, er lite endringsvillig, er etter mitt syn nesten provoserende. I et grunnlovsjubileumsår synes jeg det er på sin plass å minne om medienes betydning for vårt demokrati. Gjennom det store mangfoldet slipper flere stemmer til, og kontrollen med makta blir sterkere, lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette snakker ikke høyrepartiene om i det hele tatt. Eidem Løvaas har tvert imot flere ganger påpekt at han ikke ser at det er noe problem at eventuelle aviser må legges ned, for vi har da bloggere. Kanskje nettopp i vår tid, med det store mylderet av budskap, ser en tydelig behovet for det redigerte ord. Det er også ille å høre en statsråd si at produksjonstilskudd gjør at mediene ikke er uavhengige, slik statsråden har påstått i media flere ganger. For meg framstår dette som en meget alvorlig påstand, som heller ikke har rot i virkeligheten. Men statsråden har aldri beklaget dette utsagnet. Det må bety at hun fortsatt mener det. det. I så fall: Hvordan vil hun da karakterisere at budsjettforliket øker produksjonstilskuddet vesentlig i forhold til regjeringens opprinnelige forslag? Bransjen ber ikke om revolusjon i virkemidlene, men om forutsigbarhet og langsiktighet og at momsfritaket for papiraviser blir utvidet til å gjelde alle plattformer. Fortsatt er papiravisene utskytingsrampe for den digitale og forslag som rammer papiravisene, vil nettopp gå ut over den digitale satsingen og innovasjonen, som høyrepartiene påstår at de er så opptatt av. Jeg er glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre i sitt budsjettforlik med regjeringspartiene retter opp noen av de verste utslagene av regjeringens politikk. Jeg er glad for at regjeringen har innsett at slaget er tapt når det gjelder deres opprinnelige standpunkt om 8–8-moms for mediebransjen, og at man dermed er tvunget av stortingsflertallet til retrett i det spørsmålet. Jeg er også glad for at Ib Thomsen lover at Stortinget skal bli involvert i prosessen med moms. Det er jo helt naturlig, for dette er ikke regjeringens politikk. Tiden har løpt fra regjeringens holdninger når det gjelder mediefeltet. Dermed er det helt naturlig og viktig at regjeringspartiene lytter til Stortinget og bransjen selv når det gjelder avgrensning, før de notifiserer. Jeg vil gjerne også at kulturministeren bekrefter at Stortinget blir involvert, slik Ib Thomsen har sagt, i prosessen før notifisering. Avslutningsvis: Flere har pekt på dagens oppslag i Aftenposten. Her kommer kulturminister Thorhild Widvey med uttalelser som tyder på at det kan komme flere kutt i neste runde. Hun sier: «Vi har en politisk plattform vi jobber etter.» Og videre, senere i saken: «Så registrerer jeg at vi ikke fikk gjennomslag denne gangen heller, men vi kan ikke la være å fremme det vi har vedtatt i vår erklæring.» Budsjettframlegget ble kalt og det så lenge ut til å utvikle seg til å bli en tragedie i – minst – tre akter. Noen av de verste kuttene er nå rettet opp, og regjeringen er tvunget til retrett i momssaken. Men jeg tror vi i alle fall trygt kan slå fast at dette er en forestilling med særdeles åpen slutt. Dommedagsprofetiene over Kultur-Norge var mange før regjeringen la fram budsjettet for 2015. Det var ikke måte på hvor mange som

I tillegg var det mange som visste at budsjettet for 2015 inneholdt mange og store kostnader, og at kampen om pengene ville bli tøff. Kulturministeren har vist seg som en god forkjemper for kulturen i landet, og hun gjorde spådommene til skamme. Jeg vil også takke Kristelig Folkeparti og Venstre for spennende og gode forhandlinger både i finans- og i fagkomiteen, og er glad for et budsjett som legger til rette for fortsatt stor aktivitet i norsk kulturliv. Det er ingen tvil om at det på kultursektoren er et nærmest utømmelig ønske om støtte i forskjellige former. Det er heller ingen tvil om det store engasjementet som er hos den enkelte kulturarbeider og i organisasjonslivet innenfor frivillighet både innen humanitær virksomhet, idrett, kultur og en rekke andre aktiviteter. Som tidligere ordfører har jeg lært mye om den verdi frivilligheten har i en kommune: som et verdifullt lim i lokalsamfunnene, som god hjelp for enkeltinnbyggere ved siden av de offentlige tjenestene, som leverandør av tjenester til kommunene og rett og slett som en sosial og fysisk møteplass for innbyggerne. Vår oppgave som politikere er å legge til rette for det engasjementet og det initiativet som er rundt i landet, ikke minst ved å la dem som velger å engasjere seg i frivilligheten, konsentrere seg om kjerneaktiviteten. Derfor er regjeringens arbeid med forenkling noe som gir de frivillige uttelling raskt. Mindre byråkrati omkring ansatte gjennom økte grenser for innrapportering, redusert innrapportering, gratis innmelding i Frivillighetsregisteret og arbeid med forutsigbare rammer er derfor tiltak i budsjettet som treffer godt. Økt momskompensasjon for frivillige noe som gir mindre behov for inntektsbringende tiltak for å betale tilbake til staten. Momskompensasjonen for 2014 ga som resultat at det bare var 17 pst. avkortning på søknadene fra de frivillige organisasjonene – en betydelig bedring fra 30 pst. avkortning året før. Når det nå også er tatt høyde for kostnadsveksten i 2015, betyr det mye for frivilligheten. Når vi nå er inne på er det også med stor tilfredshet vi kan slå fast at regjeringen har rettet opp den situasjonen som oppsto ved en stor oversøkning til ordningen med momskompensasjon til idrettsanlegg i 2014. Vi gikk inn i året med at Stoltenberg-regjeringen hadde kuttet i posten i sitt budsjettforslag, og selv om den nye regjeringen økte denne posten med 10 mill. kr, var det ingen som forutså den store økningen i godkjente søknader – ei heller de som hadde forslag i revidert budsjett. Jeg er glad for at Stortinget er tydelig på at dette bør være en forutsigbar ordning med fortrinnsvis full kompensasjon, og at regjeringen har fulgt opp dette. Det er også veldig bra at denne posten i budsjettforliket fikk en økning, slik at det nå står 100 mill. kr på posten for 2015. Ordningen er uforutsigbar og varierer fra år til år. år. Jeg vil derfor gi honnør til statsråden, som har tatt initiativ til en dialog med idretten om hvordan vi kan få på plass en ordning som gir større forutsigbarhet. Gjennom begge disse ordningene får idretten betydelig bedre vilkår for virksomheten framover. Dette, sammen med fullføring av opptrappingen av tippenøkkelen, gir et betydelig løft for idretten i 2015. Idrettens store mangfold og mange aktiviteter både for bredde og for toppidrett har nå fått betydelig drahjelp til økt satsing. Vi vil gi honnør til idretten. Vi er takknemlige for den innsatsen idretten gjør, og som i tillegg til idrettens egenverdi bidrar sterkt til bedre folkehelse, både fysisk og psykisk. Det er verdt å merke seg at også det øvrige kulturlivet får økte midler gjennom endringen i tippenøkkelen. Regjeringen skal ha ros for at de nå har fullført den planlagte opptrappingen i tippenøkkelen.

omkring noen sentrale satsinger i budsjettet. Gaveforsterkingsordningen for museer og kunstinnkjøp har vært en suksess i 2014, og utvides til 30 mill. kr i 2015. Gjennom dette legger regjeringen til rette for fortsatt god støtte fra private til kulturformål, noe som øker den totale ressursen for sektoren. Videre er det i løpet av 2014 gjennomført en forhandling og avtalt en oppgavefordeling mellom Oslo kommune og staten. Som en følge av dette har staten overtatt ansvaret for Norsk Maritimt Museum. Jeg er glad for at vi på bakgrunn av dette gjennom forhandlinger har funnet grunnlag for å styrke tilskuddet til museet slik at det legges til rette for en konsolidering med Norsk Folkemuseum. Dette er et viktig grep for å sikre en framtidig god ressursutnyttelse og en økonomisk forsvarlig drift av det maritime museet. Innenfor musikkfeltet har både regjeringen og budsjettforliket på Stortinget løftet korvirksomheten, både på bredde- og toppnivå, som en viktig satsing. Det er ingen tvil om at dette er en aktivitet som engasjerer og inspirerer mange, og kor på et kvalitetsmessig høyt nivå er en viktig inspirasjon for bredden i korvirksomheten. Jeg må si at med lang fartstid både som korsanger og kordirigent faller det meg lett å skryte av dette resultatet. Litteratur er faller det meg lett å skryte av dette resultatet. Litteratur er en svært viktig del av kulturen, ikke minst fordi den har mange sider ved seg som alle er like viktige. Litteraturen har selvsagt en egenverdi, og det er derfor viktig å legge til rette for tilgangen til litteraturen. Regjeringen har derfor prioritert en betydelig økt satsing på folkebibliotekene som litteraturformidler, møteplass og kunnskapsformidler, og det er i budsjettet satt av 48,5 mill. kr til utviklingen av bibliotekene. Dette er en god hjelp for kommunene, som har ansvaret for bibliotekene, i deres arbeid med å fornye bibliotekene til en ny tid med nye kommunikasjonsformer. På litteraturområdet er det også viktig å merke seg at det gjennom forliket i Stortinget er satt av 5 mill. kr ekstra til Ved at barna blir invitert inn i bøkenes verden, sikres både språkkunnskap og et framtidig aktivt forhold til litteratur som formidler av kunnskap, historie og fortellekunst. Det er som sagt mye som skulle vært nevnt, og jeg må få avslutte med å peke på den store og viktige satsingen regjeringen har lagt opp til for å løfte talenter innen alle kreative fag og Ved å sette av 30 mill. kr og invitere både stiftelser og øvrige aktører til deltagelse legges det gjennom dette opp til et betydelig løft av talenter på alle områder, og vi ser fram til å se hvordan Talent Norge kan inspirere både unge og eldre aktører innen sine områder til økt satsing. Aldri har det vært satset så betydelig for å løfte talentene videre, enten det er ved økonomisk støtte, tilrettelegging for utøvelse eller kobling til internasjonale kompetansemiljøer som kan gi inspirasjon og økt kunnskap. Gjennom utvikling av norske utøvere på høyt internasjonalt nivå vil en også erfaringsmessig få økt rekruttering og deltagelse. Det er bra for vårt kulturliv på alle områder. Regjeringen fortsetter sitt arbeid med å sikre at pengene som brukes til kultur, skal være treffsikre. Dette budsjettet gjør noen viktige og gode valg. Det har aldri før vært brukt så mye penger på kultur, innretningen løser ut flere private midler, og inspirasjonen til kvalitet og talentutvikling er på plass. Dette fortjener kulturlivet rundt omkring i hele landet! I budsjettet for 2015 er breddeidretten en

Tilgjengelighet av idrettsanlegg er viktig for å kunne utøve et mangfold av idretter, og det har derfor lenge vært viktig for oss å sikre en større andel av tippemidlene til dette formålet. Økningen på over 300 mill. kr vil gi bedre rammevilkår for den lokale idretten, og disse pengene skal i første rekke brukes til å bygge og rehabilitere idrettsanlegg. Mange av de større idrettsanleggene bygges av kommuner. Lang ventetid og lave satser på spillemiddeltilskudd har vært en utfordring for mange kommuner med stram økonomi, og gjort det vanskelig å satse på anlegg til glede for den yngre befolkningen. Mer penger til breddeidrett og anlegg vil føre med seg enda mer idrettsglede, positive utfordringer og mestring rundt om i landet. La meg minne om hva det siste den rød-grønne regjeringen gjorde før de forlot regjeringskontorene i 2013. Det var å kutte i momskompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg. Til tross for at alle godkjente søknader fikk avkortet sine tilskudd under de rød-grønne i 2012, valgte de rød-grønne å kutte i ordningen med hele 8 mill. kr i 2014. Da vi gikk inn i regjering og overtok deres budsjett, plusset vi øyeblikkelig på 10 mill. kr for ordningen for 2014. Dette viste seg å være for lite, da antallet søknader i Vi har derfor, i samarbeid med samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre, lagt inn en tilleggsbevilgning for 2014, slik at alle godkjente søknader får full momskompensasjon for i år. Samtidig ber vi regjeringen se på tiltak som vil gjøre ordningen mer forutsigbar i fremtiden – dette fordi vi prioriterer idrett over hele landet. Gaveforsterkningsordningen regjeringen lanserte i 2014 har vært en ubetinget suksess, denne styrkes ytterligere for 2015. Gaveforsterkningsordningen stimulerer til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver, og det er gledelig for kulturlivet at det nå ses etter flere muligheter til bruk av skatteincentiver og gaveforsterkningsordninger for å utløse enda mer privat kapital i kulturlivet – sammen med det offentlige, som er dine og mine penger, og som også egentlig er privat. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen som ikke ønsker disse midlene. Det er også gledelig at vi nå har den mediepolitiske utviklingen på dagsordenen etter mange års stillstand. Mediebransjen har i de senere år selv tatt til orde for en felles lav momssats gjennom flere år – en plattformnøytral mediestøtte. Det at dette ikke har vært tatt tak i tidligere, er egentlig litt underlig. Det er på høy tid

så mener vi det er rom for en viss effektivisering, uten at det går ut over kvaliteten og oppdraget. Dette er et budsjett som inneholder veldig mye bra for kulturlivet i det ganske land – støtte og satsing til alt fra det frivillige til det å prioritere og ta vare på vår viktige kulturarv, som vi har et ansvar for. Jeg vil også her få lov til å takke samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre for godt samarbeid om det budsjettet vi i dag behandler.

«Hodet over vannet»: «Da først ser vi alvoret i det. Er det mørke skyer på himmelen, som kommer seilende med vinden.» Den blå-blå regjeringen har vist manglende visjoner for kulturlivet. To år på rad har vi vært vitne til forslag til kulturbudsjett som har skapt sterke sterke reaksjoner i hele landet. Kristelig Folkeparti og Venstre skal ha takk for innsatsen for å holde kulturpolitikkens hode over vannet. Norge er en kulturnasjon. Store løft er tatt, og vi kan nå se fruktene av et langsiktig og målrettet arbeid. Men i horisonten truer mørke skyer i form av kutt og et ønske om å skyve ansvaret fra seg. Hvor går vi med dagens kulturpolitikk? Min påstand er at dagens regjering ikke tar vår nasjons kreativitet på alvor. Hadde de gjort det, hadde de økt satsingen på kunst og kulturliv

til å se en film de normalt sett ikke ville valgt på kino selv. Jeg skjønner ikke at vi har en kulturminister som så til de grader tar bort viktige elementer i å formidle kunst og kultur ut til hele landet – til barn og ungdom, voksne og eldre. Ja, til og med kulturkort for ungdom skal kuttes. Det skyldes på at ordningen ikke brukes – derfor skal den kuttes istedenfor å justeres. Arbeiderpartiet vil i dag love at alle ungdommer med oss i førersetet skal få et kulturkort som er innrettet på den måten de ønsker, for vi vet nemlig at ungdom vil ha kulturkortet. En ganske alvorlig effekt av dagens kulturpolitikk er nettopp at kunstnerne mister muligheten til å jobbe fullt og helt innenfor sitt felt. felt. Nettopp eksemplene Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle skolesekken er med på å legge til rette for arbeidsplasser i hele landet for kunstnere til å utøve sin profesjon. De danner grunnfjellet for norsk kulturliv. Fellesskapet la opp til gode ordninger så den enkelte kunstneren kunne ha greie inntekter å leve Jeg har lyst til å si at jeg er svært skuffet over kuttet regjeringen gjør i den kjære Musikkutstyrsordningen. Det er en ordning som kommer hele Norge til gode – alle kommuner, bygder og byer. Det er en ordning som virkelig bygger kulturlivet nedenfra og opp. Det er rockegitarene, det er trommesettet, det er lydutstyret, det er til kommuner som normalt sett ikke bygger seg kulturhus, eksempelvis Utsira m.fl. Kulturministeren må være den ministeren som mer enn noen har fått sitt budsjettforslag i retur. I en rekke sammenhenger må nå Widvey gå ut og presentere og forsvare en politikk som hun åpenbart er uenig i. Jeg skal ikke nevne eksempler, for det har jeg ikke tid til, men jeg er ikke i tvil om at et kulturbudsjett med sterk høyredreining nå har fått en slakkere sving ved hjelp av Kristelig Folkeparti og Venstre, og det er bra. Hvordan det oppleves for kulturministeren, kan vi bare spekulere i. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Film er kanskje kulturens mest kostbare uttrykksform. En gjennomsnittlig nordisk spillefilm koster fort 20 mill. kr. Samtidig er det norske markedet begrenset med bare 5 millioner innbyggere, og vi er dessverre ganske alene om morsmålet vårt. Det sier seg selv at norsk film trenger statlig støtte. Spørsmålet er hvor mange nye norske filmer trenger vi hvert år, og om ikke kvalitet er viktigere enn kvantitet. Fordelen med film er at den når ut til store deler av folket. Den er tilgjengelig på stadig flere plattformer og gir flere tilgang på historiefortelling med et format en ellers bare kan finne i bøker, for dessverre er det ikke sånn at alle leser bøker. Norsk film er viktig, norsk film er bra, men systemet rundt finansieringen av film må diskuteres nøye. Derfor er det godt at vi har en offensiv kulturminister som ikke er redd for å ta en sånn debatt. Jeg var selv til stede ved fremleggelsen av rapporten Åpen framtid, som tok for seg tilstanden i som tok for seg tilstanden i norsk film. Når det gjelder økonomien i filmbransjen, var rapporten tydelig. Den viser at hele tre av fire norske filmer går med tap. Halvparten av disse igjen har underskudd på over 50 pst. Dette viser at den filmpolitikken som har vært ført, har store svakheter. Men utviklingen har også ført til at man har løftet norsk film fra å være for spesielt interesserte til å bli et eksportprodukt, men det hjelper lite med eksport når bransjen mangler økonomisk soliditet. Spørsmålet er om jaget etter stadig flere filmer har gått på bekostning av bransjens bærekraft. Et av problemene med dagens ordning er at produsentene tjener mest penger på å produsere film og ikke på å selge film. Det betyr at de hele tiden må ha en film i produksjon, noe som går ut over arbeidet med å lansere filmene de har laget. Så siste ord er nok ikke sagt i sammenhengen. En annen utfordring vi ser i filmmarkedet, er nedgangen i salg av film i fysisk format. Dette går kraftig ut over finansieringen av norske filmfestivaler, og spesielt den internasjonale filmfestivalen i Haugesund. Det er derfor gledelig at samarbeidspartiene i sin avtale har satt av 400 000 kr til New Nordic Films i Haugesund, verdens største og viktigste markedsplass for nordisk film. Uten dette tilskuddet ville det sett mørkt ut for denne viktige delen av filmfestivalen i Haugesund.

Vestfoldmuseene og Museum Nord er to museer som har fått redusert tilskuddet sitt. Begge har isteden fått nye oppgaver. Thor Heyerdahl-instituttet er f.eks. flyttet til Vestfoldmuseene, et institutt som driver med forskning og utvikling, og er noe helt annet enn et museum. Det betyr at selve museumsdriften har fått mindre penger. Derfor styrker Arbeiderpartiet disse to museene med 1 mill. kr hver i sitt forslag. Flertallsmerknaden om at «det mangler en Flertallsmerknaden om at «det mangler en faglig begrunnelse» for flyttinga av Thor Heyerdahl-instituttet, burde blitt fulgt opp av statsråden – hvis statsråden hadde lyttet – for her må det ha skjedd en feil, det må ha gått litt fort. Arkiv er en annen viktig kulturarvbærer. Arbeiderpartiet mener at det er på tide å få på plass det nye arkivet på Tynset. Vi har derfor satt av 30 mill. kr til oppstart av dette viktige prosjektet. Vi mener også at det bør gjøres en revisjon av arkivloven. Her har det skjedd mye nytt siden den ble vedtatt for 22 år siden. Statsråden oppfordres til å sette i gang dette arbeidet, i tråd med Stortingets behandling av Meld. St. 7 for 2012–2013, Arkiv, i april 2013.

Hensynet til vern og god tilrettelegging kan løses dersom en vil. Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal få mulighet til å delta også her. Kulturlivet er mangfoldig, og kulturlivet er helt avgjørende for det norske velferdssamfunnet. Det norske velferdssamfunnet, en kombinasjon av trygge familier, en stor ideell sektor og et offentlig trygghetsnett, er noe som vi kan være veldig stolte av, og som andre vesteuropeiske land, inklusiv USA, misunner oss. For Senterpartiet er det avgjørende viktig å styrke den frivillige, ideelle sektoren, for der er det så mye positivt som kan sikre velferdssamfunnet og sikre kulturlivet. Senterpartiet har gått til valg på en tredje del av Kulturløftet, hvor vi mener at det nå er på tide å dreie kulturmidlene også i favør av det lokale kulturlivet, og at hele landet skal få del i veksten. veksten. Det er to tiltak i dette budsjettet som jeg vil framheve, og det er tiltak knyttet til de organisasjonseide kulturbyggene. Senterpartiet går inn for å bedre de økonomiske rammevilkårene for organisasjonseide kulturbygg ved at momskompensasjon også blir gitt for ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det er ikke mulig i dag, og det er viktig at vi får det til, slik at vi får et enklere regelverk, og slik at man ikke trenger å lage et skille mellom ny-, på- og ombyggingskostnader kontra vedlikehold – det er veldig vanskelig å praktisere. Det er også viktig å få en slik ordning fordi den type kulturbygg har veldig vanskelig for å nå opp i konkurransen med Derfor har vi en bevilgning på 40 mill. kr til dette formålet. Det andre forslaget er at det blir opprettet en egen tilskuddsordning for organisasjonseide kulturbygg innenfor den desentraliserte tilskuddsordninga for lokale og regionale kulturbygg. Det er i dag slik at organisasjonseide hus – som grendehus, samfunnshus, bedehus, Folkets Hus, Bøndenes Hus, Speidernes Hus, Røde Kors hus – får tilskudd. Men det som er utfordringen, er at det er et så stort vedlikeholdsetterslep på veldig mange av disse byggene, slik at de som står ansvarlig for dem og ønsker å fylle dem med aktivitet, står hele tida i dag i det vanskelige dilemmaet om hva de skal konsentrere sitt sparsomme overskudd i. Skal de sikre aktivitet, eller skal de gå på enda mer med dugnad? bevilgning på 10 mill. kr på det området. Da denne saken ble behandlet i forbindelse med et representantforslag, fikk den rimelig god omtale, ikke minst av Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre, som pratet positivt om det. Jeg synes nå at det er viktig å forenkle ordningen, og da er dette gode forslag som jeg håper kulturkomiteens leder kan ta med seg
Isaksen, vær så god.

Jeg har for lengst kommet ut av tellinga over hvor mange ganger statsministeren og andre fra den blå-blå regjeringa har snakket om hvor viktig frivilligheten er – og statsråden følger opp i dag. Men én ting er hva de sier, noe annet er hva de faktisk gjør. For regjeringa foreslo en rekke kutt i frivilligheten. Vi fikk høre at kuttene var bra for å sikre at frivillig sektor skulle bli De blå-blå mener altså at f.eks. medlemsorganisasjoner i frivillig sektor i dag ikke er uavhengige, og at de heller ikke er troverdige. Her lever vi tydeligvis på to forskjellige planeter, for dette gir ikke mening, og det gir heller ikke mening at store kutt skal bidra til å nå dette målet. Her snakker vi om landets frivillige kultur- og amatørteatermiljø, ungdomslag, teatergrupper, fritidsklubber, korps, kor og dans, bare for å nevne noen. Jeg vil tro at alle som bor i landet – og nesten alle som besøker dette landet – på en eller annen måte er i kontakt med frivillig sektor i løpet av et år, og de frivillige gjør en enorm innsats. Men sannheten er at regjeringa ikke er spesielt opptatt av dette, men derimot, som den mange ganger sier: Vi skal bare oppfylle det vi lovet i valgkampen om å ta landet i en annen retning. – De innfrir, og det får frivilligheten merke. Så skjedde det noe for fem dager siden – og hør på dette: Frivilligheten er en avgjørende del av så godt som alle samfunnsområder. Gjennom Frivillighetserklæringen vil vi sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialog med regjeringen uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn og er limet i samfunnet vårt. Frivilligheten skaper glede, trivsel og knytter lokalsamfunnene sammen. Derfor er det viktig at både stat og kommuner gir frivilligheten gode vilkår. Dette er godt sagt, og jeg er helt enig, men det er oppsiktsvekkende at dette ble sagt av regjeringa da man la fram Hvis vi skal lære noe av de erfaringene vi har gjort med regjeringa så langt, er mitt råd til frivilligheten: Løp og gjem dere så fort dere bare kan, for jo penere regjeringa snakker om dere, jo større kan kuttene bli. Til slutt: Jeg merket meg at statsråden i sitt innlegg sa at et godt budsjett hadde blitt bedre etter forliket. Det må jo bety at det forslaget regjeringa sjøl la fram, ikke var det beste for landet. Men det var det vi måtte ha levd med hvis de blå-blå hadde hatt

Folkeparti vil fortsatt ha et sterkt og kompetent kulturråd med høy kompetanse, som kan være en drivkraft i norsk kulturliv, slik det er i dag. Men én ting som vi må se nærmere på, er grensesnittet mellom regjering, storting, kulturråd og kulturfond. Jeg nevner dette nå med bakgrunn i regjeringens forslag til fullmakter for Kulturrådet, slik vi ser det i forslag til Fullmakten flytter makt ut fra folkevalgte organer. Ordningen med hovedfordelingen innenfor angitte kapitler og poster sikrer at de forskjellige kulturformålene kan ta del i budsjettøkningene. Et brudd med dette vil skape usikkerhet hos mange, og det skaper uheldig konkurranse mellom de ulike har et ansvar for å sørge for de nødvendige politiske prioriteringene mellom formålene. Det ligger i kulturpolitikkens natur. Som sagt har jeg stor tillit til Kulturrådet. Jeg har stor tillit til alle de ansatte der, og alle i de ulike utvalgene, men regjeringens forslag svekker de politiske myndigheters mulighet for å drive aktiv og offensiv kulturpolitikk. Det er et viktig prinsipp at Stortinget skal kunne løfte bestemte områder innenfor kulturlivet dersom det er behov for det. Det vi vil unngå, er derimot en utidig detaljstyring overfor tilskuddsmottakerne, men det er noe helt annet. Vi skal gi kulturlivet frihet. Da må vi samtidig ha muligheten til å løfte de miljøene, de organisasjoner som enten ikke blir hørt, som av en eller annen grunn blir hengende etter, eller som Stortinget av ulike grunner ønsker å prioritere. Den muligheten må være der. Derfor er jeg glad for at flertallet i komiteen har en meget tydelig merknad om dette, på side 63 i innstillingen.

Jeg tar ordet i denne debatten fordi jeg mener at kulturspørsmålene er av særdeles stor betydning for samfunnet. Det henger sammen med at kultur er et uttrykk for demokrati og sivilisasjon. Det er grunn til å spørre, og det er sikkert et retorisk spørsmål, men jeg spør allikevel: Hvor er det blitt av det verdikonservative Høyre? Hvor er det blitt av det? Det er nesten ikke spor igjen av det i det jeg hører – dessverre, vil jeg si. Tradisjonelt har Høyre vært med på å bære dette fram på en helt annen måte enn de gjør nå. Det er liberalismen som har overtatt under Widveys styring, med et anstrøk av borgerlighet. Disse to faktorene er nå styrende for kulturpolitikken i Norge Da budsjettet ble lagt fram, lurte jeg et øyeblikk på om det hadde gått litt over styr. Jeg spurte meg selv: Hvordan kan de fremme så mange merkelige kuttforslag som de vet vil føre til en slik storm mot seg? Jeg spurte meg selv om det. Hva er det vi ser, og hva er det vi opplever? Representanten Harberg sa annet sted enn det jeg har vært. Det har jo absolutt ikke vært stille. Det har vært en storm mot Stortinget. Dette gjenspeiler seg jo i meningsmålingene. Noen stillhet har vi ikke hatt – tvert imot. Det vi snakker om, om, er ikke at det har gått over styr og i hytt og pine. Dette er en bevisst strategi for å liberalisere Kultur-Norge, som en del av regjeringas store strategi for å gjøre markedet til det viktige styringsinstrumentet i Norge. Det er det alvorlige i den debatten som vi har her i kveld.

viktig. Eg reknar òg med at det er ei tverrpolitisk einigheit om at litteratur, lesing og debatt er viktig. Det eg gjerne ville snakke litt om no, er litteraturhus. Litteraturhuset i Oslo opna i 2007 – ein stor suksess. Ifølgje eigne nettsider har det eit årleg besøk på 250 000 per år. Debattar, litteraturformidling og foredrag har fått ein ny og viktig arena i Men Litteraturhuset i Oslo har også vore viktig for landet, for det har inspirert andre til å starte, både i Fredrikstad og i Bergen – begge opna i 2013. Det er kanskje nyttig òg å ha med seg bakgrunnen. Litteraturhusideen har opphavleg bakgrunn i tysk kultur- og forfattarliv. Målet er bl.a. å ha ein uavhengig arena for å skape debatt. debatt. Norske litteraturhus har det til felles at dei har blitt ein slik open arena – ikkje berre for dei betrestilte, men for alle. Arrangement på denne arenaen dreg med seg andre og fleire enn dei som kom før. Då blir det breiare debattar med fleire deltakarar – og det er bra. For Venstre er litteratur, kunnskapsformidling og debatt viktige prioriteringar. Vi ønskjer ei samfunnsutvikling som Mange viktige forfattarar kan ikkje basere seg på å møte publikumet sitt gjennom bestseljarlista. Nettopp gjennom å ha litteraturhus har ein eit rom der litteraturen kan få utfalde seg og publikum bli invitert inn. Ein får også ein effekt ved at fleire forfattarar blir løfta fram. Fritt Ord har gjort ein stor innsats med å få i gang Litteraturhuset i Oslo. Men det er viktig å tenkje på dette med Dersom ein skal klare å halde litteraturhusa i gang, kan ein ikkje berre stole på marknadskreftene eller gåvmilde sponsorar, og det er viktig at det er eit offentleg ansvar å støtte opp under dette. Så er det også viktig at dei finst fleire stader i landet. Eg bur til dagleg i Bergen, og vi veit at ting kan sjå annleis ut frå ulike stader. Derfor er det også viktig at vi har fleire. Før 2014 fekk ingen litteraturhus støtte, viss eg har forstått det riktig. riktig. Den raud-grøne regjeringa hadde ein kjempegod idé i det siste budsjettet sitt om at litteraturhusa skulle få støtte. Venstre og Kristelig Folkeparti følgde opp med å få dette inn: sikra dei 4,5 mill. kr i 2014 og 7 mill. kr i 2015. Det trur eg vi alle er glade for, og så kan vi sjå fram til at fleire gode debattarenaer er sikra.

Det er mye interessant på nasjonalt nivå, men nå mener vi at det er viktig å fokusere på det lokale. I tillegg til en reversering av en del av de foreslåtte kuttene som regjeringa har fremmet, har Senterpartiet ønsket en storstilt økning i bevilgningen til de lokale bibliotekene, altså de lokale litteraturhusene, og til musikk- og kulturskoler. Vi øker også bevilgningen til Musikkutstyrsordningen, slik som representanten Haukeland Liadal beskrev på en god måte. Musikk- og kulturskolene favner bredt og gir samtidig mulighet for profesjonelle kulturarbeidere – det er altså en vinn-vinn-situasjon. Skolene er et populært tilbud. Det er så populært at det er lange ventelister i mange kommuner. Vi ønsker å gjøre tilbudet tilgjengelig for flere og å la med ulike kulturuttrykk på en måte som favner både dem som ønsker å utvikle sitt talent, og dem som ønsker å drive med musikk, dans, teater og andre kunstuttrykk fordi det gir glede og rett og slett er moro. Senterpartiet mener at det å satse på det lokale kulturlivet er grunnfjellet i demokratiet vårt. Det var veldig mange som reagerte veldig sterkt på kuttene som regjeringa foreslo innenfor utdanningsbudsjettet til områder som angår formell kompetanse. Folkehøgskoler, studieforbund og voksenopplæringen trodde ikke det de så, og mobiliserte voldsomt mot kutt som ville hatt dramatiske følger for kulturlivet der vi bor. Hvordan da, tenker dere kanskje? Jo, jeg tenker på de følgene, de konsekvensene, som det ville hatt for de lokale korpsene, som vi forventer skal spille for oss på 17. mai, for dem som skal brodere og sy bunaden vår, for dem som skal være instruktører for seniordansere, for folkedansere, for dommerkurs i fotball, for speiderne osv., osv. Rekken av frivillige organisasjoner som drar nytte av tilskudd til studieaktivitet, er lang og mangfoldig – og de går gjennom studieforbundene. Kuttene som ble foreslått, mener jeg vitner om manglende kompetanse og et snevert kunnskapssyn hos Høyre og

Ballett. Komiteen treffer godt når den sier at gjennom et utstrakt samarbeid mellom profesjonelle og amatører er region- og distriktsoperaene med på å bygge den kulturelle grunnmuren rundt i Norge. Det er behov for å satse på opera- og kulturhus i Kristiansund, et hus som skal huse Operaen i Kristiansund, Nordmøre Museum, Kristiansund bibliotek og Kristiansund kulturskole. Arbeiderpartiets merknad i budsjettet som peker på akkurat det, er derfor gledelig. Realisering av et slikt prosjekt, et slikt hus, er særdeles viktig – ja, egentlig avgjørende – for å videreutvikle Operaen i Kristiansund, som har fast plass på statsbudsjettet og status som ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera. Byens opera er resultat av Norges eldste operatradisjoner, med spor tilbake til 1805. Den har siden 1928 produsert og satt opp en mengde operaer, operetter, musikaler og ballett- og danseforestillinger, derav en lang rekke norgespremierer og til og med enkelte verdenspremierer. Bedre fasiliteter er påkrevd. Operaen i Kristiansund driver et utstrakt samarbeid med andre, både kulturinstitusjoner og skoleverket. Ungdommer deltar på scene og i orkester sammen med voksne, profesjonelle og amatører i samhandling. Slik overleveres tradisjon, kunnskap og ferdigheter innen musikkteater. I tillegg til operaen har også Nordmøre Museum et sårt tiltrengt behov for nye lokaler. Det er særs positivt at museet og operaen har funnet hverandre i husspørsmålet, både for å oppnå synergier selskapene imellom og for publikum og brukere av tilbudene i et slikt hus. Museet skal presentere hele Nordmørsregionen, og en samling i et slikt hus i Kristiansund vil gi et betydelig løft for formidlingen av bl.a. kystkulturen på Nordvestlandet. I tillegg har man en viktig folkemusikksamling å presentere. Kristiansundoperaens grunnlegger Edvard Bræins samling av folkemusikk forener musikkhistorie med gjenstandsfortellinger og formidling av handlingsbåren kunnskap. I tillegg er Nordmøre Museum og Operaen i Kristiansund viktig i et reiselivsperspektiv. Som startpunkt eller endepunkt på den nasjonale turistveien Bud–Kristiansund, vil et nytt bygg med attraktive fasiliteter være et løft for det kulturbaserte reiselivet i Møre og Romsdal. Dagens fasiliteter vil på ingen måte kunne gi et slikt løft. Nordmøre har institusjonene og kunnskapen, nå venter de på

har fått 30 mill. kr over fylkeskommunens budsjett. Det vil gjøre kommunene i stand til å utvikle tilbudet til de eldre i sin kommune. De kan utvikle og tilpasse tilbudet der de kjenner Denne spaserstokken er diskutert under denne behandlingen av helsebudsjettet. Denne spaserstokken er diskutert i kommunenes budsjettbehandling. Denne spaserstokken er et tilbud til dem som sitter nederst ved bordet. Dette tilbudet er til dem som ikke kan reise til Operaen. som ikke kan reise til Nationaltheatret. Jeg er stolt over at vi har kommet så langt at vi har en såkornstanke i utviklingen av kulturen i Norge – Talent Norge. Det er satt av 30 mill. kr der, og dette er et nytt og spennende tiltak innenfor kulturfeltet. Det er en satsing på dem som ikke bor i Oslo og som ikke bor i storkommunene – men de talentene som bor rundt omkring i hele landet som kan plukkes opp og utvikles videre. Man må kunne sikre en helhetlig satsing på disse talentene – i samarbeid med aktører på kulturfeltet, som frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for orkester, for kor, for korps og ikke minst denne kunstnerassistentordningen, som vi nå også ønsker å utvikle. Kulturlivet sitter selv på utrolig mye erfaring og kompetanse knyttet til dette med talentutvikling og kan være en bidragsyter, en stor bidragsyter for utformingen av Talent Norge. Arbeiderpartiet påstår at denne regjeringen ikke har visjoner. Nå har vi jo nevnt gaveforsterkningsordningen, som vil gi kulturen og kunsten mer penger, vi har nevnt Talent Norge, vi nevner kunstnerassistentordningen – tiltak som nettopp vil bygge opp kulturen i hele landet. At denne regjeringen da ikke skulle ha visjoner – da vil jeg stille spørsmålet Hvem er det som hoster opp gamle forslag og ønsker og videreutvikler dem istedenfor å se nye muligheter og utvikle disse unge talentene? Det er Arbeiderpartiet. Norge er et av verdens beste land å bo i, og det har vi fått gjennom at vi har et godt velferdssamfunn, det gjenspeiler seg i god levestandard og i mange leveår. Det handler om gode barnehager, det handler om eldreomsorg, det handler om deltagelse, kultur osv., og ikke minst handler det om en god offentlig fellesskole og retten til en god skole, som vår kjære fredsprisvinner understreket flere ganger i dag. Det andre er muligheten til å bo og leve rundt omkring i hele landet vårt. Det er å delta i frivillig sektor, de frivillige organisasjonene og å utvikle lokalsamfunn som gjør at barn og ungdom får en god oppvekst. Jeg registrerer at representanter for Fremskrittspartiet, både Thomsen og Stordalen, prøver å at de er idrettspartiet. Jeg vil minne om at det i den rød-grønne regjeringstiden – åtte år – ble fremmet en frivillighetsmelding, det ble fremmet en idrettsmelding, Den norske idrettsmodellen, og flere økonomiske ordninger. I 2007 var overføringene til norsk idrett på rundt 1,2 mrd. kr, men etter at den rød-grønne regjeringen hadde innført en momskompensasjonsordning for varer og tjenester for norsk idrett og frivillighet, etter at vi hadde innført en momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg, og etter at vi innførte en grasrotandel til norsk idrett, vil vi kanskje i 2015 begynne å nærme oss 3 mrd. kr til norsk idrett gjennom disse ordningene. Det er mer enn en fordobling siden den rød-grønne regjeringen iverksatte Og spillemiddelordningen, der det også ble vedtatt en opptrapping over tre år, har nå kommet opp i 64 pst. – det ble det også lagt grunnlaget for i den rød-grønne regjeringen. Noe annet som er viktig, er fjerning av 26-årsregelen for funksjonshemmede, slik at de kan drive med idrett. Det er over 11 000 medlemmer i norske idrettslag som er funksjonshemmede, som nå har muligheten til å kunne delta på en langt bedre måte enn Fortsatt vil det være behov for å styrke allerede etablerte tilskuddsordninger og ikke minst bidra til at frivillige, tillitsvalgte og aktive i norsk idrett kan bruke mer av tiden sin på annet enn å administrere – og heller på aktivitet. Dagens enerettsmodell har siden 1948 vært en modell som norsk idrett, norsk frivillighet har slått ring om, som har vært med og finansiert frivilligheten og idretten. Dette sår den nye regjeringen tvil om

veldig glad for at det er et flertall i Stortinget som nå erkjenner at det er behov for å gjøre noe når det gjelder å få til plattformnøytralitet med tanke på moms. Dette er jo ikke noe som har skjedd nå, i løpet av de siste årene, at mediene sliter og har en utfordring. Det har de gitt uttrykk for gjennom ganske mange år. Og jeg er veldig glad for at vi i løpet av et år er klare til å ta denne saken til ESA og sørge for en notifiseringsprosess, som er med på å bidra til at vi får nullmoms. Vi starter med det. Forliket i Stortinget innebar at vi kunne satse på både lav moms og nullmoms, men jeg har gitt uttrykk for – og det ønsker jeg også å gi uttrykk for fra Stortingets talerstol at det er naturlig for oss å gå til ESA med en notifisering av nullmoms først, for vi har fått klare indikasjoner fra ESA om at det å innføre momsfritak på aviser, vil bli oppfattet som statsstøtte. Da er det mest naturlig at en starter med det forslaget som er mest Vi har også fått signaler om at når det gjelder avgrensingen, må det konsentrere seg i relasjon til det som har med nyheter å gjøre. Finansministeren, næringsministeren og undertegnede jobber nå med denne avgrensingsproblematikken og vil kjempe for at vi selvfølgelig skal kunne klare å komme fram til et godt resultat. Jeg ser for meg at det vil bli behov for å ta saken opp til ny behandling i Stortinget så snart resultatet av notifikasjonen foreligger. Det er vanskelig å spå når det måtte bli, men i beste fall er det en mulighet for at vi kommer tilbake med en orientering eller eventuelt et forslag i revidert nasjonalbudsjett i 2015. Tiden vil vise hvor lang tid det vil ta å klare å få til dette. En kort kommentar til dette med har foreslått å avvikle det statlige tilskuddet til kulturkort for ungdom. Den årlige bevilgningen til kulturkortet for ungdom har vært på 3,9 mill. kr. Forutsetningen for et statlig tilskudd har vært at den enkelte fylkeskommune bidrar med mer enn det statlige tilskuddet, og de to siste årene har det ikke vært grunnlag for å utbetale hele den statlige bevilgningen. I 2014 – altså i år – var det kun syv fylkeskommuner som søkte om tilskudd til kulturkort. Antallet er så lavt at det ikke lenger kan anses som en nasjonal oppgave. Og når man iverksetter tiltak og ulike ordninger, håper jeg det ikke må være slik at de er kommet for å bli – «for ever». Det må også kunne være slik at vi har muligheten til å evaluere dem og se om det er noen som er

idretten en organisasjon som favner de mange. Vi i kulturkomiteen har møtt mange idrettsråd og idrettsforeninger som har minnet oss om det som er den største utfordringen for norsk idrett Det er et formidabelt etterslep på utbetaling av spillemidler fra spillemiddelpotten. Da Arbeiderpartiet gikk inn for å øke idrettens andel av spillemidlene til 64 pst., trodde vi at det skulle bidra til at vi kunne ta vekk en del av etterslepet. Sånn så det ut da, men heldigvis blir det bygd mange nye anlegg i Norge, så økningen i spillemiddelandelen har holdt tritt med tilgangen på Det betyr at etterslepet fortsatt er stort, og derfor har Arbeiderpartiet tatt idretten på alvor og sett at vi nå må gjøre noe med etterslepet. Vi har sagt at vi skal bevilge 400 mill. kr hvert år i en femårsperiode, for å bidra til å ta det Så når Ib Thomsen svinger seg og sier at Fremskrittspartiet er det store idrettspartiet, tror jeg at det var her han virkelig kunne ha gledet de mange som sitter og betaler renter og avdrag på de pengene de forventer å få tilbake, bare de når fram i køen. Jeg tror at det hadde vært viktigere enn de pengene de også venter på når det gjelder momsen. er litt overrasket over at Thomsen er så begeistret for det som har skjedd når det gjelder anleggsmomsen, for det er jo sånn at den regjeringen han er med på å representere, sørget for et budsjett som vil gi en innvilgelse på 63 pst. Så takkekortet bør jo norsk idrett sende til andre enn Fremskrittspartiet når de nå får en momskompensasjonsordning som kanskje dekker 90 pst. til neste år. er nødt til å kommentere statsrådens omtale av Den kulturelle spaserstokken. har bevilget 15,4 mill. øremerkede kroner i kapittel 769 i helsebudsjettet. I tillegg har vi lagt på 5 mill. kr på kapittel 761, som er til generelle omsorgstiltak og utvikling av dem. Det ligger også – som jeg håper statsråden har fått med seg – 15,4 mill. kr på kulturbudsjettet, så Arbeiderpartiet innfrir ved å sørge for midler til Den kulturelle spaserstokken. Og da disse budsjettene så ut til å bli nedstemt – jeg antar at de blir det her i dag også – ba vi om at den posten som man sier skal brukes av fylkeskommunens rammebevilgning, ble gjort øremerket. Heller ikke det fikk flertall. Det betyr at Den kulturelle spaserstokken ikke kommer til å glede så mange i tiden framover som Ib Thomsen tror. Jeg blir litt overrasket – eller kanskje mer oppgitt – når representanten Arild Grande

Om det er mot bedre vitende, om det er fordi man ikke har fulgt godt nok med, eller om det er for å tilpasse seg et på forhånd skrevet manus vet jeg ikke, men jeg må i alle fall klargjøre noen ting. Det er noen ting som det blir påstått at jeg har sagt, som jeg ikke har sagt, f.eks. at mediene ikke er endringsvillige. Selvfølgelig har jeg ikke sagt det. Det jeg har sagt, er at de har en utfordring, og at de selvfølgelig snur seg – som alle andre forretninger – mot De aller fleste har heller ikke funnet fullgode løsninger for å tjene penger på annonsører og abonnenter innenfor den digitale virkeligheten, og de løser utfordringene ulikt. Og det jeg presiserte da, var at det er en forventning om at det kommer innovasjon, når de selv har sagt at en pressestøtte på dagens nivå er en forutsetning for innovasjon. Vi har en forventning, beskriver innovasjonen og endringene som foregår i mediene, som såre vel. Når det gjelder påstanden om at jeg har sagt at det greit at aviser blir lagt ned, har jeg selvfølgelig ikke sagt det heller. Noen aviser kommer, og noen aviser går inn. Antallet aviser i Norge har vært relativt stabilt i veldig mange år. Men vi kan ikke ta et øyeblikksbilde og si: Nå er det et perfekt antall aviser i Norge. Nå er det akkurat sånn det skal være. Akkurat nå er antallet aviser riktig. Akkurat nå har NRK korrekt posisjon. Akkurat nå leveres produktet slik det skal være. Dette endrer seg hele tiden, og det å tviholde på konserverende ordninger for å møte fremtidens utfordringer, tror jeg er galt. Bloggere kan overta for avisene: Nei, jeg har selvfølgelig ikke sagt det heller. Men det er en ny virkelighet, fordi den redigerte medievirkeligheten, som vi har levd med i mange tiår, er utfordret, og det er positivt, etter hvert som representanten Arild Grande snakker seg høyere og mørkere, og det snakkes om både demokrati og ytringsfrihet, er det selvfølgelig en del av det. Det at man kan publisere seg selv, og at man kan utfordre den redigerte medievirkeligheten, er en del av dette. Virkeligheten er at representanten Arild Grande og hans parti har sittet med hendene i fanget i åtte år, og nå har de plutselig fått en åpenbaring. Tre ministre, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Trond Giske, gjorde ingenting i momsspørsmålet. De satt veldig rolig under finansminister Sigbjørn Johnsens trygge vinger og rørte ikke momsen. Men plutselig har det vært en åpenbaring hos representanten Arild Grande, som mener at vi må gjøre noe med momsen. Partilederen har sagt at det er vanskelig og kanskje ikke en gang en permanent løsning. En periode skulle den kobles til lederlønninger og utbytte. Vi kan ta Institutt for Journalistikk som et raskt eksempel: Senest i det forrige budsjettforslaget til Stoltenberg-regjeringen skulle den trappes ned. Nå har man gjort en kuvending også her. Grande inviterer til brede forlik. Jeg er gjerne med på det hvis det er gode ideer som står i mer enn noen uker av gangen. Av flere på denne talerstolen har behovet for et bredt medieforlik blitt løftet fram, og det er jeg glad for at flere har respondert positivt på. Når budsjettet er vedtatt og man mak og diskutere noen av grunnprinsippene i mediepolitikken – innretning på mediestøtten, NRKs rolle for framtiden, muligheten for en ny TV 2-avtale – en lang rekke spørsmål som gjør at 2015 kanskje blir det viktigste året innen mediepolitikken noensinne. Jeg ser fram til gode dialoger på et bredt grunnlag i Stortinget, på tvers av partigrenser, for å se på hva vi kan komme fram til enighet om, og finne fram til grep som kan stå seg over tid, nær sagt uavhengig av om vi har et regjeringsflertall som ønsker en utvikling mot styrt avvikling av det som egentlig har vært bærebjelken innenfor norsk demokratiutvikling de siste årene, nemlig mediestøtten, som har bygd opp under det store mangfoldet som vi har. Når det er sagt, foreslås det jo til stadighet grep fra regjeringspartiene som vil ramme – med ganske kirurgisk presisjon – det mangfoldet vi har, men også den innovasjonen som vi ser innenfor bransjen. Derfor er det grunn til å tvile på at det i framtiden vil være særlig helhjertede forsøk fra regjeringspartienes side på å hjelpe en mediebransje som har utfordringer, ikke minst for å styrke journalistikken i Norge og på den måten også styrke det frie ord. Men vi skal holde mulighetene åpne for å diskutere dette i et partnerskap, på tvers av partigrensene. Jeg er glad for at det kommer tydelige signaler fra statsråden om at man nå prioriterer nullmoms først i notifisering opp mot ESA. Vi er selvfølgelig opptatt av hvilken avgrensning man her legger opp til. Vi lener oss veldig på det som er rådene fra Avgrensningsutvalget til MBL, og føler oss trygge på nå at statsråden legger opp til det samme løpet. Vi skal følge nøye med på prosessen fram mot notifisering og er også klare til å diskutere med regjeringen når resultatet av en notifisering foreligger. Så er jeg også glad for at en samlet komité står bak merknaden om Rock City, og at det legges opp til en prosess for å se på eventuelle nye funksjoner eller videreføring av funksjonene for å ta vare på kompetansen. Jeg vil gjerne ha en forsikring fra statsråden om at det blir en reell prosess, slik at vi i fellesskap kan gå videre for å finne en ny vei for Rock City og det miljøet som man har bygd opp over tid der. Grunnen til at jeg tok ordet til et nytt innlegg, var regjeringens manglende satsing på det nordiske kultursamarbeidet. Da tenker jeg på kuttet til Nordiske Mediedager og kuttet til New Nordic Films. Det er paradoksalt å høre representanten Stensland gå på talerstolen og være glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre har reversert kuttet til sin egen regjering. Jeg høre representanten Stensland gå på talerstolen og være glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre har reversert kuttet til sin egen regjering. Jeg ønsker også at statsråden kan kommentere hva som er årsak til at hun kutter i alle populære kulturtilbudene i hele landet. Da tenker jeg på det nye kuttet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken, at film som sjanger blir tatt bort. Jeg tenker også at det i dag er fint for oss å høre statsråden prøve å pakke inn at de ønsket å avvikle Den kulturelle spaserstokken, men jeg hører også at hun er lydhør overfor de 500 000 underskriftene Helt til slutt må jeg få lov til å kommentere representanten Ib Thomsens omtale av eldre som de som sitter nederst ved bordet. Jeg trodde nesten ikke at jeg hørte kunst- og kulturformidling av profesjonell art ute der eldre bor. Dette handler ikke om hvem som sitter nederst ved bordet. Vi er vel kommet til det stadiet i debatten der det er behov for å kommentere noe av det som har vært sagt tidligere. For det første la jeg merke til representanten Aasrud, som i sitt hovedinnlegg refererte til nyordet «armlengdes avstand». Ja, på en måte overrasker det meg og på en annen måte ikke, for jeg har jo lest budsjettene for de foregående årene. Jeg skjønner at det er en ny opplevelse for Arbeiderpartiet. For oss er det ikke det, og det har vært et prinsipp over lang tid. Det andre er at flere talere har påpekt at denne regjeringen og samarbeidspartiene har lagt fram et budsjett med mangel på ambisjoner. Så har de knapt trukket pusten før de har gått løs på ambisjonene våre og plukket dem ned – kritikk for ambisjoner. Ikke minst når det gjelder Talent Norge, er det veldig rart å høre Arbeiderpartiet si at vi her har et budsjett uten ambisjoner, og så er det altså en historisk satsing for å løfte talentene innen Kultur-Norge på alle områder, med 30 mill. kr, ja, kanskje opp til 50 mill. kr eller 60 mill. kr og enda mer når en får på plass samarbeidet med stiftelser og andre som bidrar. Det henger ikke helt sammen. Kolberg var nøye med å si at regjeringens budsjett ikke hadde tilslutning. Nå rakk jeg ikke å sette meg ned med kalkulatoren, men det budsjettet som ligger her nå, er regjeringens budsjett, med noen bittesmå endringer. På kultursektoren er i all hovedsak regjeringens budsjett vedtatt, og så er det forsterket på noen områder. Slik er det også på de andre rammeområdene. Regjeringens budsjett i stor grad fått tilslutning, men som det alltid er med mindretallsregjeringer, skjer det justeringer i Stortinget. Det er kanskje ikke så enkelt å huske på etter åtte år i flertallsregjering, der veldig lite skjedde på Stortinget. Så en liten kommentar til slutt om media. Det er det andre som har kommentert. Representanten Grande refererer til den best fungerende mediebransjen. Ja, kanskje hvis vi ser bakover, men vi ønsker å se framover. Jeg har lyst til å minne om at regjeringspartiene foreslo en omfordeling av pressestøtten, å ta noe fra dem som får veldig mye, for på den måten å kunne gi enda mer til dem som har minst fra før, hadde jeg nær sagt, var det ikke mye støtte å få fra Arbeiderpartiet i hvert fall. Det er helt riktig at regjeringen foreslo å omdisponere midlene på helsebudsjettet – totalt 15,4 mill. kr – som var helsebudsjettets andel av spleiselaget til Den kulturelle spaserstokken. Den omdisponeringen var begrunnet med at midlene skulle brukes mer til individrettet bruk av musikk som behandling, særlig overfor demenspasienter. Endringen skulle skje fra 2016. Kommunene ville hatt god tid til å områ seg. Men i forliket med Venstre og Kristelig Folkeparti ble midlene til Den kulturelle spaserstokken – 30,8 mill. kr – videreført over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, slik at kommunene kan søke fylkeskommunene om tilskudd. Jeg anser at det er en god plassering av slike midler, all den tid det er kommunene som har ansvar for pleie- og omsorgstjenestene i kommunene, også det å skape livsglede og kvalitetsopplevelser for sine eldre og pleietrengende. Det foregår mye bra ute i kommunene, også når det gjelder å skape kulturinnslag i pleie- og omsorgstjenesten. Ordningen med Den kulturelle spaserstokken, som ble innført i 2007, er en statlig tilskuddsordning, men den fullfinansierer ikke tiltakene. Mange norske kommuner tar stort ansvar, også økonomisk, for å skape disse kulturopplevelsene. Noen kommuner søker ikke engang om disse tilskuddene, og frivillige gjør en stor innsats. Representanten Kolberg sa i sted at «kultur er et uttrykk for demokrati og for sivilisasjon». For de aller mest sårbare pasientene våre, demenspasienter, er kultur og musikk enda mer, vil jeg nesten våge å påstå. Det er verktøyet som skaper sammenheng i hverdagen. Mange av disse pasientene vandrer urolig omkring. De finner ingen sammenheng i hverdagen lenger. Der er musikk som terapi, som behandling, helt uovertruffen. Det reduserer bruk av medisiner. Det skaper ro i avdelingen. Det skaper livskvalitet for disse pasientene. Jeg har respekt for at Arbeiderpartiet ønsker å videreføre Den kulturelle spaserstokken som ordning slik de innførte den i regjering. Det jeg ikke forstår, med de siste ukers medieoppmerksomhet om hva som virkelig er behovet i norsk eldreomsorg nemlig behovet for mer kompetanse, for mer kvalitet, for færre brudd på menneskerettighetene, for mer kvalitet i pleien – er at ikke Arbeiderpartiet ønsket å være med på å bevilge 15,4 mill. kr til kompetanseutvikling i kommunene på dette feltet. Så kan det være at det er musikkterapeuter som skal bidra, men det er de ansatte som hver eneste dag skal bruke musikk i pleien og skape livskvalitet for dem som trenger det. Som tidligere ordfører er jeg vant til å finne gode løsninger sammen med innbyggerne. Og alle kommunepolitikere vet at uten frivillige stopper kommunen. Uten ildsjeler ville ikke barna kunne gå på yndlingsidretten sin eller på speideren, og de eldre ville ikke fått det ekstra møtet med en fra besøkstjenesten. Det å bygge idrettshaller er en stor investering for kommunene, og derfor er de fleste kommunene helt avhengige av hjelp fra idrettslagene sine for å få til dette løftet. I dette samspillet mellom kommune og frivillighet ligger altså Derfor er det en stor seier at vi har fått til en momskompensasjonsordning. Stor var derfor skuffelsen da de rød-grønne partiene kuttet i denne posten på vei ut av regjeringskontorene, noe som gjorde at vi startet i motvind. Det siste året har vi fått innspill på innspill fra idrettslag om at de har fått avkuttet sin kompensasjon i mye større grad enn forventet. For små idrettslag kan en slik merkostnad bety at de aldri tør å satse på slike prosjekter igjen. Og slikt kan rett og slett slukke gnisten hos den mest dedikerte ildsjel. Et godt samarbeid krever at man har respekt for hverandre, og der noen kutter når de har makt, har heldigvis denne regjeringen vist at de tar de frivillige idrettslagene på alvor. Vi har nå økt ordningen, slik at det kan gis full kompensasjon. I tillegg skal vi ha en gjennomgang av regelverket rundt ordningen.

merkelige kuttene, som jeg også snakket om i mitt første innlegg. Hvis hun ikke gjør det, finnes det bare ett svar, og det ligger i nærheten av det som jeg snakket om i mitt forrige innlegg, at dette er et uttrykk for en grunnleggende liberalistisk tenkning hos statsråden, et ønske om å dempe den offentlige virksomheten innenfor kultursektoren – også på grasrota – med tanke på å presse musikkorps, skoleklasser og alle andre inn i den kommersielle Det overrasker ikke meg. Dette er Høyre-folk, det er slik Høyre tenker, og det er selvfølgelig slik at Fremskrittspartiets inntreden i regjeringskontorene forsterker dette betydelig. Det var derfor jeg i sted etterlyste det verdikonservative Høyre. Hvor er det blitt av det? De ville aldri gjort disse tingene som vi diskuterer i denne debatten. Så vil jeg henlede oppmerksomheten på en side av saka som jeg synes er for lite kommentert. Det er at noe av det mest konkrete, spesielle og alvorlige vi har opplevd i forbindelse med dette statsbudsjettet, er angrepene på NRK. NRK er landets viktigste kulturinstitusjon, vil jeg hevde. Det er NRK som virkelig formidler kultur, kunnskap, underholdning og nyheter til det norske folk, som holder Norge sammen, med alt det representerer. Med én gang høyrepartiene får sjansen til det, skal de stoppe utviklinga i NRKs økonomi. Jeg holdt på å si – selv om jeg nesten ikke mener det – at det får så være at de gjør det, men når vi i stortingssalen hører Thomsen og Eidem Løvaas uttale seg om NRK, så er katta ute av sekken. Det er kanskje ikke et parlamentarisk uttrykk, og da ber jeg om unnskyldning for det, men det er iallfall et godt uttrykk. Det de sier, er at NRK ikke må gå i veien for kommersiell kringkasting. Har du hørt på maken? Det står de her og sier – at NRK må dempe seg, slik at de ikke går i veien for pengemakta innenfor kringkasting! Begge sier det. De snakker til og med om at vi ikke skal redigere programmene, men at NRK må holde seg til det saklige og ikke gå inn på de områdene hvor de kommersielle kanalene fungerer. Jaha! Da skjønner vi hvorfor de forsøker å straffe NRK på pungen, og da forstår vi hva høyrepolitikk er

dette med privatkapital som er utfordringen for representanten Kolberg. Jeg har lyst til å si at hvordan enkeltmennesker – du og jeg – velger å engasjere seg i samfunnet, er ganske avgjørende for hvordan samfunnet faktisk utvikler seg, og det er det ideologiske utgangspunktet for vår politikk og også for vår kulturpolitikk. Privat engasjement og privat kapital handler om den innsatsen noen av oss faktisk gjør som enkeltpersoner, som også avgjør hvilket samfunn vi bor i. Jeg er ganske mye ute og reiser rundt omkring og ser på mange flotte kulturtilbud, det er utrolig mye privat kapital som er med på å gjøre en forskjell ute i det ganske land, som er med på å finansiere et tillegg til det som den offentlige innsatsen står for, og jeg kan ikke med min beste evne og vilje forstå at det skal være med på å rasere noe som helst tilbud. Det måtte skape et enda større mangfold at man åpner for å legge inn noen incentiver som kan være med på å bidra til at man får enda mer privat kapital inn i kulturlivet. Det er i hvert fall det som er ønsket fra denne regjeringen. det gjelder Kulturrådet: Den evalueringen som har vært gjort når det gjelder Kulturrådet, har vært ute på en omfattende høring, og det er to ulike forslag, som kan grupperes i to ulike løp. Det ene er det budsjettmessige, som en har tatt stilling til i forbindelse med dette budsjettet. Det andre er de organisatoriske endringene. Det er mange forslag til endringer som vi har til vurdering nå, og hvis det skal gjøres noen endringer når det gjelder lov om Norsk ut på en omfattende høring. Det er helt klart at dette vil ende opp i Stortinget, slik at man kan få en god debatt om det. En veldig kort kommentar til dette med NRK: Jeg vil ta sterkt avstand fra at det er en rasering av NRK. NRK vil få inntekter på over 5 mrd. kr fra kringkastingsavgiften i 2015, og jeg tror det er et betydelig rom for å justere kostnadssiden, uten at en nødvendigvis kommer til å redusere innholdstilbudet merkbart. Jeg synes heller ikke det er rimelig at NRK skal skjermes økonomisk i en tid da lønnsomheten i mediebransjen svekkes og mange privatfinansierte aktører må tåle betydelig kutt. Det er også slik at vi, basert på NRKs egen beregning, vil få 10 000 nye lisensbetalere i 2015, og bare det vil øke NRKs inntekter med ca. 25 mill. kr. Vi skal få god anledning til å diskutere NRK i sin fulle bredde, for jeg har som ambisjon å komme tilbake igjen til Stortinget med en melding til våren. Representanten Rigmor Aasrud har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, Jeg har behov for å anbefale representantene Thomsen og Tønder å lese svar 261, som vi fikk fra Finansdepartementet i forbindelse med budsjettet. Der står det om moms på idrettsanlegg at departementet finner ingen grunn til å tro at det blir lavere søknadsbeløp i 2015 enn i og det står at bevilgningen på statsbudsjettet vil gi en innvilgelse på om lag 63 pst. Det er regjeringens hilsen til Idretts-Norge. Så har jeg behov for å henlede oppmerksomheten på et forslag som det skal stemmes over her i dag. Det finnes noen få helt særskilte idrettsanlegg, som Vikersundbakken og bob- og akebanen på Lillehammer, som har særlige driftsutfordringer. Anlegget på Lillehammer er Norges nest største ammoniakkbruker. Vi foreslår at man øremerker 10 mill. kr av spillemidlene til det formålet, og håper at flere vurderer å stemme for dette i dag.

kompensasjon – utenom i 2012, da den ga 90 pst. kompensasjon. Så kommer man i en situasjon der aktiviteten på anleggssiden er høy. Det er bra, for det betyr at mange tar initiativ til å få gjort noe med anleggsmangelen som er i Idretts-Norge. Da må man gjøre noe med det. Da er det riktig, som representanten Aasrud sier, at det man legger inn i inneværende år, er greit, men for neste år risikerer man igjen å få et stort etterslep eller å få en manglende kompensasjon hos en rekke av idrettslagene. Det problemet må adresseres. I stedet for å adressere det problemet opplever jeg at Høyres representanter prøver å lage en historieskriving som ikke stemmer. Det finnes gode muligheter for å adressere den utfordringen framover. av dem er å innføre som en regel at idrettsanlegg skal ha full momsrefusjon, så slipper man den konkurransen om denne budsjettpotten som har vært i år, og som ikke var de fire foregående årene, for da var det 100 pst. dekning. Det var under den rød-grønne regjeringen. Så et par ord også om media: Statsråden sa at dette budsjettet raserer ikke NRK. Nei, det gjør ikke det, men man må si at når man hører representantene Eidem Løvaas og Thomsen her i dag, lurer man på hva det er Høyre og Fremskrittspartiet vil med NRK. Hvilke tanker har man om og hvilket utviklingspotensial ser man i NRK? Er hele tenkningen omkring NRK at kanalen skal begrenses i forhold til kommersielle kanaler som TV 2, P4 og andre? Er det hele tenkningen om NRK? At NRKs redaksjonelle virksomhet bør begrenses slik at de konsentrerer seg om smale og kommersielt uinteressante og at man fra regjering eller storting skal gå inn og trekke skarpe grenser for hva NRK kan utvikle av innholdsproduksjon eller ikke – som ikke skal konkurrere med kommersielle aktører – er sjølsagt en helt umulig tanke også når det gjelder redaktøransvaret og den uavhengige journalistikken. Jeg håper at regjeringen vil velge å Det er ikke offentlige kringkastere som blokkerer for kommersielle. De mest levende mediesystemene i verden har man i de landene der man har god pressestøtte, høyt aviskonsum, sterk konkurranse og også en god Jeg ser frem til stortingsmeldingen om NRK og NRKs virksomhet. Der tror jeg vi skal snu mange steiner, men legge de aller fleste tilbake der vi fant dem. Jeg har lyst til å rydde litt opp i det noe dystre bildet som males, for når representanten Kolberg snakker, høres det ut som om meningen er at man skal NRK til livs. Det er overhodet ikke riktig. Fra min side har det aldri vært uttalt noe som helst om innholdet i NRK. Det er det kringkastingssjefen som suverent bestemmer, og å blande seg inn i redaktørinstituttet ville være veldig galt og stikk i strid med alt jeg tror og tenker om media. Tvert imot sa jeg at for å opprettholde legitimiteten blant lisensbetalerne – altså deg og meg er det viktig at NRK har høy kvalitet, og det er viktig at de gir oss en opplevelse som gjør at det føles riktig å betale lisensen. Så det er ikke innholdet man er på jakt etter. Men flere enn hver femte redaktør og flere enn hver femte journalist i Norge jobber i NRK. Det er Norges største mediehus. Det er Norges viktigste mediehus, og de disponerer nesten 5,5 mrd. kr av dine og mine penger. Det ikke å et kritisk blikk på det og ikke ca. hvert åttende til tiende år lage en stortingsmelding om det ville være en ansvarsfraskrivelse. Selvfølgelig skal vi gå gjennom NRKs virksomhet. Og selvfølgelig skal vi passe på i en bransje som har store utfordringer og er i stor omstilling, at de ikke lager unødige hindre for de andre mediene, uavhengig av hvem som er eiere av disse, og uavhengig av om de omfattes av allmennkringkasterbegrepet, slik som en del av de store mediehusene, eller om det gjelder aviser eller andre som publiserer. Jeg synes man skal være litt forsiktig med å male med bred pensel når man snakker om krisen i media. Det er veldig lett å ty til ord som ytringsfrihet, demokrati, angrep og rasering. Jeg synes det det trekker debatten ned på feil nivå. Jeg skulle ønske at vi kunne holde oss litt over det fremover. Ungdomsrådet sendte sin tydelige hilsen til vår komité og til statsråden om å beholde kulturkort for ungdom. Den kulturelle skolesekken mister den ene foten – film – som sjanger. For tredje og siste gang spør jeg statsråden: Hva er årsaken til at en bygger ned folkekjære ordninger i Norge? Jeg snakker ikke om ordninger som av og til hopper inn på og ut av statsbudsjettet. Jeg snakker om ordninger som er utrolig populære, og som skaper reaksjoner. Det er dette statsråden bør svare på. Først noen kommentarer om NRK. Det er sånn at vi i regjeringen ønsker å bygge vår politikk på kunnskap. Derfor har vi satt i gang flere utredninger for å få dokumentasjon, bl.a. når det gjelder finansieringsformer, altså se på om lisensfinansieringen som er i dag, er en egnet løsning for Denne utredningen er ferdig. I tillegg kan vi tenke oss å fokusere på om det er behov for mer ekstern produksjon, om det er muligheter for at man faktisk kan forvente at NRK øker sin eksternproduksjon i årene som kommer. Det er ikke noe som NRK er imot. For det tredje er det også et viktig element å se på grenseflaten mellom de kommersielle aktørene og NRK i dette tilfellet, om det er noe som det er behov for å gjennomgå. Som sagt har vi altså god anledning til å komme tilbake igjen til innholdet av NRK når vi skal ha en melding. Jeg har en ambisjon om at det skal være bred konsensus i Stortinget om de prinsippene som skal legges til grunn for NRK i framtiden. Bare en kort kommentar også det som dreier seg om Vikersund. Jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på at vi har gitt forhåndstilsagn om investeringstilskudd til skiflygingsbakken i Vikersund og også et ekstraordinært driftstilskudd til bob- og akebanen på Lillehammer, fordelt fra spillemidlene til idrettsformål i 2015. Hovedfordelingen av disse spillemidlene til idrettsformål i 2015 men vi har altså gitt forhåndstilsagn om 5 mill. kr til nasjonalanlegget for skiflyging og forhåndstilsagn om 2 mill. kr av spillemidlene til Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane, både i 2015 og i 2016. Det er godt grunnlag for at man også imøtekommer det. Jeg tror det er viktig å understreke at tippemidlene, den ordningen, stort sett har gått til anlegg. Det er riktig at det åpnes for at man også kan bruke disse til andre typer formål, men i hovedsak, med det store etterslepet som er når det gjelder anlegg, tror jeg det er veldig viktig at tippemidlene brukes til anlegg også i framtiden. Det har også vært spørsmål om den enstemmige komitémerknaden når det gjelder Rock City. Jeg har merket meg den komitémerknaden og vil sørge for at det blir en god prosess med hensyn til de signalene som er kommet fra komiteen. Så til det avsluttende spørsmålet fra representanten Haukeland Liadal. Politikk er å prioritere, og det er mange saker som har gode formål. Jeg har registrert at noen av de ordningene som har vært iverksatt, har vi faktisk valgt ikke å prioritere, og det er grunnlaget for det. Først: Jeg er glad for tilbakemeldingene fra statsråden når det gjelder Rock City. Vi skylder miljøet i Namsos, som har bygd opp mye kompetanse og gjort investeringer basert på oppdraget fra Stortinget og Kulturdepartementet, å ha en skikkelig runde på hvordan man kan ivareta kompetansen og de investeringene som er foretatt, og finne en vei videre for miljøet der oppe. Jeg er glad for de signalene, og vi skal følge den prosessen tett. Jeg mener det også legger godt til rette for at man kan diskutere hvordan man kan styrke øvrige kompetansemiljø innenfor rytmisk musikk, og vil gjerne ha dialog på det. Svein Harberg hadde en visitt til oss med tanke på at Høyre og Fremskrittspartiet foreslo et tak i produksjonstilskuddet, og at det visstnok skulle komme andre aviser til gode. Vel, det taket man foreslo, ville for produksjonstilskuddet for 2014 frigjort 7 mill. kr. Så kutter regjeringen 50 mill. kr, så man er jo ganske i underskudd hvis man faktisk mener at dette skulle kommet andre lokalaviser til gode, så det resonnementet henger vel ikke helt på greip. Det er alvorlig når det gjelder NRK, men det er egentlig en rød tråd med tanke på det regjeringen gjør på en lang rekke områder på kulturfeltet. Man kutter først, så skal man varsle en gjennomgang for å utrede hva man ønsker med det området man kutter og så har man egentlig på mange måter satt Stortinget sjakk matt. Så også når det gjelder NRK, hvor man varsler en melding om NRK til neste år, men så kutter man ganske drastisk nå og overlater til styret i NRK å foreta de endringene som det kuttet medfører, uten at Stortinget har fått seg forelagt en sak eller fått anledning til å si noe om hva man ønsker med NRK for Så vil jeg bare avslutte med å si at debatten har vært særdeles interessant. Jeg tror vi har fått klargjort en del av standpunktene fra de fleste partiene. Det har sågar gått så langt at Kårstein Eidem Løvaas har anklaget oss i Arbeiderpartiet for både å være for dystre og for positive på vegne av mediebransjen. Martin Kolberg har visstnok vært altfor dyster, jeg har visstnok vært altfor positiv. Det tyder vel på at vi har funnet en ganske gyllen middelvei, og jeg oppfordrer flere partier til å tilnærme seg de standpunkt som Arbeiderpartiet har tatt for en ny og framtidsrettet offensiv mediepolitikk. Nå har vi diskutert så lenge at hele taleanlegget har gått varmt, for nå får vi 3 minutter taletid uansett hvor mange ganger vi har vært oppe før. Da er det fristende å fortsette. Grunnen til at jeg tok ordet, var bare rett og slett at jeg hadde behov for å takke for debatten, takke for oppklaringene som kanskje har kommet eller kanskje ikke har kommet. Det ligger mye spennende arbeid foran oss i kulturkomiteen, det ligger mye arbeid hos regjeringen som vi skal diskutere etter hvert, og det er bra. Jeg har også lyst til å takke komiteen for godt samarbeid. Det ble en hektisk budsjettinnspurt, som var krevende for alle parter, men vi kom i mål. Takk for det. Det er godt at feilen går i representantenes favør, og at den fordeler seg noenlunde jevnt mellom posisjon og opposisjon. Det har vært interessant å følge debatten. Jeg må si at norsk frivillighet er virkelig noe av grunnstammen i samfunnet vårt når det gjelder deltakelse i alle landets kommuner. Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett et anleggsløft for norsk idrett på 400 mill. kr i året over tre år, altså 1,2 mrd. kr. Det ville ha gitt norsk idrett et stort løft og gjort at det etterslepet vi har i dag, kunne ha blitt redusert betydelig. Samtidig vil endringen i tippenøkkelen opp til 64 pst. bety over 300 mill. kr mer til norsk idrett hvert år framover, noe som er veldig viktig. Men det er også et faresignal inn i tippenøkkelen, vil det bety at det blir mindre til anleggsbygging rundt omkring. Derfor tror jeg det er viktig at når vi flytter flere typer prosjekter inn, om det er nasjonalanlegg eller andre prosjekter, må det finansieres utover spillemidlene. Det tror jeg vil være det beste for Vi skulle ha hatt en OL-søknad som det ikke ble noe av. Hele det politiske Norge var opptatt av å imøtekomme norsk idrett med et anleggsløft og ikke minst av at vi i Norge skal være vertskap for store internasjonale arrangement i årene framover. Jeg registrerer som positivt at regjeringen har bidratt til VM på sykkel i Bergen, ikke minst Arctic Race of Norway. Men utfordringen framover er at når særforbund, kretser og idrettsforbund ønsker å iverksette søknadsprosesser for EM, VM og OL, bør det skje i tett dialog med regjeringen. Samtidig bør det kanskje avsettes et eget fond, et arrangementsfond, hvor særforbund og arrangører kan søke, og at det ikke blir slik at aktører driver med lobbyvirksomhet overfor komiteer her i Stortinget eller overfor regjeringen, men at det er en forutsigbarhet ved at alle som påtar seg et ansvar rundt omkring i Norge for å være vertskap for store internasjonale arrangement, får god og bred støtte gjennom et eget arrangementsfond som kan finansieres over statsbudsjettet. Ellers er jeg enig i det representanten Aasrud sa om dette med nasjonalanlegg.

I lovforslaget som vi her har til behandling, foreslår regjeringen tre tiltak. Det ene er en plikt til å sette aldersgrense på bildeprogram som faller inn under lovens virkeområde. Det andre er en plikt til å informere om aldersgrense, og det tredje er en plikt til å iverksette beskyttelsestiltak, inkludert å sikre at fastsatte aldersgrenser overholdes. Komiteen slutter seg til lovfesting foreslår regjeringen at Medietilsynets vedtak etter loven skal kunne påklages til Klagenemnda for mediesaker – Medieklagenemnda – som i dag bl.a. behandler klager etter kringkastingsloven, og at lovforslaget innebærer at Klagenemnda for film og videogram avvikles. For å kunne håndheve brudd på pliktreglene i beskyttelsesloven foreslår departementet å gi Medietilsynet hjemmel til å fatte vedtak om ileggelse av sanksjoner for konstaterte brudd. Komiteen slutter seg også til det. Videre er det ifølge komiteen viktig å samarbeide med andre nordiske land, for nettopp å beskytte barn best mulig i de ulike mediene, og slik komiteen ser det, er dette noe som samarbeidsministeren kan ta opp gjennom Nordisk ministerråd for å få til en enda mer aktiv politikk på dette området i Norden. Til slutt ber komiteen regjeringen om å vurdere om det kan være hensiktsmessig å innføre en ordning med at klager kan bli forelagt barneombudet for uttalelse før saken avgjøres av klageinstansene. Det er ikke foreslått av regjeringen, og det har av den grunn heller ikke vært på høring, men uansett er dette et spørsmål som burde ha kunnet blitt avklart uten hjemmel i lov. Med det legger jeg fram

med 70 tommers flatskjermer, HD-prosjektorer, pc på barnerommet, 3D-tv, «laptop» i veska og multimediemobiler i lommen. Levende bilder kan hentes inn nær sagt overalt og i enhver sammenheng – fra kilder som kan befinne seg nærmest hvor som helst i verden. Norske barn og ungdom i aldersgruppen 9 til 15 år brukte nesten fire timer på tv, Internett, dvd og kino en gjennomsnittsdag i 2013. Når audiovisuelle medier får en stadig større plass i barns liv, øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig. Behovet for et godt og effektivt lovverk for beskyttelse av barn og unge har derfor aldri vært større. Den nye medievirkeligheten illustrerer likevel at vi ikke kan ha ambisjoner om å kontrollere alt. En liten gruppe kontrollører i Medietilsynet kan ikke alene gjøre medieverden trygg for barna våre. Forslaget innebærer derfor en ansvarliggjøring av bransjen selv, som får oppgaver knyttet til å sette aldersgrenser, informere om disse og gjennomføre beskyttelsestiltak. Det innebærer en ansvarliggjøring av foreldre og foresatte, som med lovforslaget vil bli sikret den informasjonen og de verktøyene de trenger for å ta dette ansvaret i praksis. I tillegg må loven ses som ett element i et større bilde, som både omfatter andre deler av lovgivningen, tiltak for å fremme produksjon av kvalitetsinnhold rettet mot barn og unge, og tiltak for å fremme kunnskap som kan bidra til å gjøre barn til trygge og kompetente en medieverden som i praksis er global, er det viktig med internasjonalt samarbeid og samordning. Jeg er derfor glad for at komiteen har trukket fram behovet for nordisk samarbeid på dette området, og skal følge opp dette med min kollega samarbeidsministeren. Flere har ikke bedt om ordet til sak

vedtatt. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid, der komiteen er samstemt og enig med regjeringen, som nå vil endre fordelingsnøkkelen for Norsk Tipping AS’ overskudd, altså tippenøkkelen – dette for å styrke idretten og kulturformål utenfor statsbudsjettet. I dag går 56 pst. av I dag går 56 pst. av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål, 26 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære formål. Stortinget fordeler 11,1 pst. og Kongen 14,9 pst. av midlene til kulturformål. Komiteen støtter endringen som foreslås: ny tippenøkkel med virkning fra 2015 med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål utenfor statsbudsjettet og 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Komiteen er særlig oppmerksom på at det er viktig med denne endringen, da det over tid har vist seg at søknadsmengden og søknadssummer til bygging av idrettsanlegg har økt. I tillegg har nok byggekostnadene også økt i samme tidsperiode, noe som kan forklare noe av økningen i søknadssum. Fram til dette er det gledelig å kunne si at det er en samstemt komité som er opptatt av å endre tippenøkkelen for å styrke idretten og kulturformål utenfor statsbudsjettet. Men her stopper også enigheten, da det i samme sak foreslås endringer i lotteriloven slik at pokerspill som avholdes ved sammenkomst i private hjem mellom personer i nær omgangskrets, legaliseres ved avholdelse i tråd med gitte vilkår. Jeg vil her påpeke at pokerspill som avholdes på arbeidsplasser, restauranter, puber, hotellrom, skip etc., ikke er omfattet av endringsforslaget. I Sundvolden-plattformen mellom regjeringspartiene – Høyre og Fremskrittspartiet det at man vil tillate mesterskapsturneringer i poker med klare beløpsgrenser gjennom unntak i lov, og at beslutninger om nye spillkonsepter skal tas av Lotteritilsynet. Regjeringen vil også skille mellom vanedannende og ikke-vanedannende lotterikonsepter. Høyre og Fremskrittspartiet vil her påpeke at forslaget vil være i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen at vennelag får anledning til å spille begrensede former for poker i sosiale sammenkomster uten å bryte norsk lov. Departementets vurdering i forbindelse med spilleavhengighet samt Lotteritilsynets vurdering av pokerspill i private pokerlag i GAM-GaRD, som er et internasjonalt anerkjent verktøy for klassifisering av spill med hensyn til utvikling av spilleavhengighet, er at det er lav risiko for å utvikle spilleavhengighet ved private pokerlag, spilt etter turneringsregler med ett innskudd per sammenkomst og uten mulighet for nye innskudd. Det er viktig å framheve. I en debatt om å tillate poker er det ofte mange meninger og påstander. Jeg registrerer bl.a. at Arbeiderpartiet er bekymret og mener at en opphevelse av dette forbudet vil kunne ha negative konsekvenser på sikt. Jeg synes dette vitner om noe som kan ligne på dobbeltmoral eller inkonsekvens. I forslaget om å tillate private er innsatsgrensen satt til 1 000 kr og inntil ti deltakere, som innebærer en maksimalgevinst på 10 000 kr per spill. Med dette som bakteppe kan man jo stille seg spørsmålet om det kan ha negative konsekvenser om man spiller på spill i Norsk Tipping, der innsatsgrensen hos kommisjonær er 100 000 kr per uke og Jeg kan faktisk ikke huske å ha hørt noen uttrykke bekymring om denne spillpolitikken, der man frister med langt høyere gevinster – på millioner av kroner. Det kan være at så lenge det heter Norsk Tipping, er det ikke farlig, da er det heller ikke spilleavhengighet. Jeg tror ikke noen vil spille seg fra hus og hjem om det nå tillates å spille poker i vennelag med en maks innsatsgrense på 1 000 kr og en maksgevinst på 10 000 kr. Jeg er fornøyd med at vi i dag kan fjerne nok som i dette tilfellet vil være i tråd med folks alminnelige rettsoppfatning. Arbeiderpartiet er fornøyd med at regjeringen følger opp den planen som ble lagt da Stoltenberg-regjeringen la fram Meld. St. 26 om den norske idrettsmodellen, og støtter derfor I i komiteens tilråding. Både idrett og kultur får en større del av spilleoverskuddet. Sammen med de humanitære organisasjonene mottar de overskudd fra pengespill i Norge. Det er ikke bare en viktig finansieringskilde, men den viktigste finansieringskilden, for de tusener som jobber frivillig i Norge. At Norge er i verdenstoppen når det gjelder frivillighet, har selvsagt sammenheng med at lag og foreninger har en rimelig god mulighet til å få finansiert sine mange gode formål. Men frivillighet gjør seg ikke selv, og – som regjeringen selv skriver i den ordrike frivillighetserklæringen som ble lansert forrige fredag – den trenger forutsigbarhet. Det er kanskje ikke tilfeldig at «økonomi» ikke er nevnt i forslaget til frivillighetserklæring, for regjeringen lanserer en rekke forslag som utfordrer selve basisen i måten norsk frivillighet er finansiert på. Det gjør også lovforslaget om å legalisere poker, for selve prinsippet om at det er frivilligheten som skal motta overskuddet av spilleaktiviteter, endres. Det samme gjør forslaget om å lisensiere nye spill. Nye lotterier skal inn og konkurrere om spillerne, og overskuddet skal deles mellom kommersielle aktører og utvalgte organisasjoner. Overskudd av spill i Norge skal ikke lenger være forbeholdt de frivillige; nå skal det liberaliseres, sånn at de kommersielle kan ta sin del av spilleoverskuddet. Så vil det hevdes at forslaget som nå fremmes, betyr lite. Ja, kanskje gjør det det i kroner og øre, men selve prinsippet om at private skal hente ut pengegevinster, er nytt. Jeg regner med at det er flere i denne salen som leste VG Helg i forrige uke. Det burde gjøre at alle forslag om å endre det norske spillsystemet legges i skuffen. Og hvis man leser rapporten fra ekspertutvalget som la fram sine råd på mandag, vil forslagene forbli i skuffen. Til representanten Stordalen vil jeg si: Jo, vi er også bekymret for de grensene som settes i Norsk Tipping. Hvis det er sånn at regjeringspartiene deler Stordalens bekymring, burde jo statsråden ta en telefon i morgen og si til Norsk Tipping at her må man gjøre noe med disse grensene, de er for høye, vi blir bekymret for hvordan dette kan slå ut for spilleavhengigheten i Norge. Det har statsråden mulighet til, for Norsk Tipping er noe som styres helt og holdent av oss selv. Så synes jeg det er oppsiktsvekkende at statsråden heller ikke i denne saken har tatt seg bryet med å sjekke ut forholdet til ESA. At det spilles ulovlig poker i Norge i dag, kan verken være en garanti for at saken er uproblematisk for ESA, eller at det er grunn til å gjøre det lovlig. For oss er stemmene til de frivillige organisasjonene Actis, Norsk Forening for Spillproblematikk og Spillavhengighet Norge viktigere enn

enig i fordelingen av spilleoverskuddet som her er foreslått. Dette er for så vidt en sak som er en videreføring av hva et tidligere storting har bestemt. Så vi er glad for at vi nå har oppfylt det som har vært et løfte, både overfor idretten og overfor andre mottakere over tippenøkkelen. Vi er glad for at det nå endelig kom på plass. Det er viktig, og Kristelig Folkeparti støtter det. II i komiteens tilråding derimot støtter ikke Kristelig Folkeparti. Vi har en lang tradisjon i Norge for at når det gjelder spillpolitikk, er spilleoverskuddet noe som kommer frivillige og samfunnsnyttige formål til gode. Poker har ikke noe overskudd å dele ut til frivillige lag eller samfunnsnyttige formål. Dette er noe nytt som regjeringen ønsker å få på plass. Kristelig Folkeparti er ikke enig i dette. Så har jeg lyst til å si at Kristelig Folkeparti ikke er et parti som setter på bremsene bare fordi vi synes det er så morsomt å sette noen Det er fordi vi har noen bekymringer knyttet til det som her foreslås. Det er pekt på enerettsmodellen. Jeg skal ikke stå her og være Norsk Tippings høye beskytter. Jeg er helt enig med Stordalen i at Norsk Tipping har også en del ting de burde rydde opp i, bl.a. det som handler om maks sum av Men enerettsmodellen har også et sosialpolitisk anliggende, og det er de virkemidlene vi har som politikere til å kunne styre spillpolitikken. Kristelig Folkeparti er veldig redd for at vi skal få en utvikling som gjør at vi gir fra oss de virkemidlene som vi faktisk har i dag, til å kunne styre spillpolitikken. Derfor er Kristelig Folkeparti imot dette. Vi er heller ikke for at det skal åpnes opp for mange lisenser utenfor Det vi er litt redd for nå, er at regjeringspartiene velger å dytte borti en snøball som begynner å rulle, og som det er vanskelig å stoppe igjen. Jeg sier dette, for hvis man går inn i saken, ser man at regjeringen hadde ett utgangspunkt, men bare fordi det kom inn et høringssvar fra Norsk Pokerforbund, doblet de innsatsen. Det som var poenget, var at man gikk for at man kunne spille for 500 kr per spiller, og makspotten skulle være 5 000 kr. Så synes Norsk Pokerforbund at det var altfor lavt. Underveis i prosessen velger altså regjeringen å lytte til dem. Det er grunnen til at jeg sier at jeg er redd for at man nå har begynt å dytte borti en snøball som sannsynligvis ikke vil kunne stoppes. Hva gjør man da, hvis Norsk Pokerforbund igjen kommer og sier at 10 000 kr er i grunnen litt lite, og ingen blir spilleavhengige hvis man øker det til 20 000 kr? Har man noen argumenter for å kunne si nei til det? har en stor bekymring, og hver gang det er snakk om å innføre nye spill, er det en ting som ligger langt framme i en KrF-er, og det er nettopp det som går på bekymring for hva dette gjør med spilleavhengigheten. Vi vet at det er mange tusen mennesker i dette landet som har et problematisk forhold til spillpolitikk, og vi må ikke stille oss slik at de får det enda vanskeligere, eller at det er enda flere som får et problematisk forhold til det. Derfor må man ha en bevissthet rundt hva man gjør med norsk spillpolitikk. Den liberalisering som vi ser her, er Kristelig Folkeparti som sagt ikke enig i. Ellers ser jeg i saken at regjeringen sier at i henhold til regjeringens handlingsplan mot spillproblemene skal Lotteritilsynet foreta seg det og det. handlingsplan mot spilleavhengighet er det regjeringen sikter til her? Jeg håper at kulturministeren kan redegjøre for hva denne handlingsplanen går ut på, og hvordan den skal kunne demme opp for det som jeg har delt, som er våre bekymringer. Jeg skal bare bruke noen få ord til å grunngi Senterpartiets stillingtagen til den proposisjonen og den innstillingen som i dag er til behandling. La meg aller først få kvittere ut lovfestingen av ny tippenøkkel. Politisk er det jo allerede vedtatt politikk. Senterpartiet er glad for denne endringen og de mulighetene den vil gi for økt idrettsaktivitet, ikke minst på anleggssektoren. Det mest kontroversielle i denne proposisjonen er nok utvilsomt forslaget om å legalisere private pokerlag, et forslag som kan synes litt tilforlatelig. Men etter Senterpartiets oppfatning flytter regjeringen her grensene for spillpolitikken som sådan ved å tillate at et spill med gevinst kan avholdes uten at inntekten tilfaller humanitære eller samfunnsnyttige formål. Det er også en grenseforskyvning at det dreier seg om legalisering av et pengespill som genererer gevinst uten at det på noen måte er regulert. Senterpartiet har ikke noe ønske om å kriminalisere kortspill blant venner og kan forstå at enkelte synes det smaker av overformynderi å nekte folk å sette opp en pott for moro skyld. Samtidig mener vi at det vil være vanskelig, ja, nær sagt umulig, å finne en presis grensedragning som gjør det mulig å forhindre at dette sklir ut. Vi ser at regjeringen har forsøkt å ramme inn forslaget for å begrense omfanget når det gjelder både innsats og gevinst, men vi mener fra Senterpartiets side at de definerte grensene i proposisjonen dessverre også gir mulighet til fortolkning. Hvem anses som nære nok venner til å kunne sies å tilhøre et privat pokerlag? Hvordan kan en håndheve at beløpsgrensene overholdes i tråd med loven? Senterpartiet er bekymret for at en legalisering vil bli en invitasjon til å trekke denne virksomheten lenger enn det som er intensjonen med forslaget. Et lite vink om dette foreligger allerede i proposisjonen, der summene for tillatt innsats og premier som lå i høringsnotatet, ble fordoblet etter argumentasjonen fra Norsk Pokerforbund. Sjølsagt er ikke Senterpartiet blind for at det også i dag men Senterpartiet mener at dagens forbud tross alt har en viktig preventiv og begrensende funksjon. Ikke minst demmer det også opp for en mer omfattende spilling, og at det i så måte sklir ut. Legalisering av private pokerlag utgjør neppe den største trusselen mot økt spilleavhengighet. Jeg synes allikevel det er grunn til å peke på at legalisering av poker også i liten skala kan bidra til at flere fristes til å delta i nye spill med kjapp gevinst. På denne bakgrunn mener Senterpartiet at det ikke er tilstrekkelig tungtveiende grunner til å åpne opp for mer privat pokerspill, sett opp mot de negative konsekvensene en slik type legalisering kan gi. Vi kommer derfor til å stemme imot forslaget i Fordelingen av Norsk Tippings overskudd skjer, som vi har hørt, via tippenøkkelen. Regjeringen foreslår med dette lovforslaget å fordele spilleoverskuddet fra Norsk Tipping etter ny tippenøkkel i 2015 med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige Dette er tredje og siste del av innfasingen av en ny tippenøkkel. Jeg er veldig glad for at det er en enstemmig komité som går inn for dette, og at vi nå har oppnådd forutsetningene i idrettsmeldingen om et løft for idretten. Når det gjelder dette med private pokerlag: I Norge er alle former for lotterier i utgangspunktet forbudt, i henhold til både For å være tillatt må slike spill ha en spesifikk lovhjemmel. Poker er et spill som ikke har vært tillatt etter lotteriloven. Likevel spilles det mindre former for poker blant venner i private hjem. Regjeringen foreslår en legalisering av private pokerlag, slik at det skal være mulig for vennelag å spille mindre former for poker uten at det må søkes om tillatelse. Formålet med denne legaliseringen er å gi folk som vil spille poker blant venner i private sammenhenger, et legalt grunnlag for å kunne gjøre det. En åpning i regelverket for private pokerlag vil innebære at en spillform som mange nordmenn allerede deltar i, vil kunne avholdes innenfor ordnede rammer og i henhold til norsk lov. Jeg mener dette vil være i tråd med den For å sikre at pokerlag ikke får et organisert eller profesjonelt preg, har regjeringen foreslått en rekke begrensninger. Pokerlag kan ikke overlates til medhjelper mot betaling. Det er foreslått en innskuddsgrense per deltager per sammenkomst på 1 000 kr og en øvre grense på ti deltakere i et privat pokerlag. Forbud mot spill på kreditt og 18-års aldersgrense for deltakelse er Når regjeringen foreslår en legalisering av private pokerlag, gjelder det altså pokerspill som avholdes ved sammenkomst i private hjem, mellom personer i nær omkrets. Det blir ikke tillatt å avholde slike pokerlag i det offentlige rom, på arbeidsplasser, restauranter og puber, hotellrom, på skip eller lignende. Private pokerlag vil også bare kunne avholdes under forutsetning av at slike former for poker ikke får et organisert eller profesjonelt Det blir altså hverken tillatt å etablere spilleklubber eller å avholde større turneringer og arrangementer i private hjem. Organisering av poker der arrangørene tjener penger på dette, eller private pokerlag som får preg av en sammenhengende eller varig aktivitet, blir altså ikke tillatt. Jeg vil understreke at en legalisering av private pokerlag ikke innebærer et frislipp av poker i Norge. Denne formen for poker skal Lotteritilsynet har vurdert risikoen ved pokerspill i private pokerlag. Den form for private pokerlag som omfattes av forslaget, med begrensninger i innskudd og antall deltakere, vurderes å ha en lav risiko for utvikling av spilleproblemer. I henhold til regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer skal Lotteritilsynet fortløpende evaluere effekten av lovlige spill i Norge når det gjelder Tilsynet vil også bli gitt et spesifikt mandat til å evaluere effekten av å tillate private pokerlag etter tre år. Etter dagens pengespill- og lotteriregelverk har Norsk Tipping enerett til å avholde de største og mest omfattende pengespillene og lotteriene samt pengespill og lotterier med stor fare for spilleproblemer. Under EØS-retten tillates det likevel at lotterier tilbys i begrenset omfang av andre aktører enn Norsk Tipping. Forslaget om å tillate private pokerlag vil ikke føre til omfattende ny pengespillvirksomhet. De foreslåtte innskuddsgrensene og tak på antall deltakere innebærer at det økonomiske omfanget vil være begrenset. I tillegg er risikoen for spilleproblemer vurdert som lav. På bakgrunn av dette mener jeg at en legalisering av private pokerlag ikke vil utfordre enerettsmodellen som grunnstruktur for det norske pengespillmarkedet. Det blir replikkordskifte. Statsråden presiserer at det er gjort en rekke avgrensinger i den tillatelsen som nå ligger i lovforslaget, bl.a. skal det kun være ti stykker som deltar samtidig. Hvordan har statsråden tenkt å sørge for å håndheve lovforslaget? Det er spørsmål om hvordan man skal kunne føre tilsyn med private pokerlag, og jeg er oppmerksom på at det selvsagt kan være vanskelig å føre tilsyn med disse, siden denne aktiviteten foregår i private hjem. Men jeg antar at de fleste som ønsker å spille poker for mindre beløp, ønsker å gjøre dette på lovlig vis. Det regelverket som vi har fremmet, vil gjøre det mulig for dem som ønsker å delta i slike spill, å gjøre det innenfor lovlige rammer, og det vil trekke en klar grense mot ulovlige Jeg registrerer at statsråden ikke har noen formening om hvordan man kan følge opp et lovforslag som hun legger fram i dag. Da kan jeg følge opp med å spørre om hvordan en handlingsplan mot spilleavhengighet, som er et viktig virkemiddel for å redusere uønsket spilleatferd i Norge, skal kunne gjøres gjeldende overfor de handlingsplanen som faktisk er vedtatt – det var jo den forrige regjeringen som fremmet denne handlingsplanen, og den går fram til 2015 – følger også denne regjeringen. Vi synes det er en god handlingsplan, og vi ser også behov for å gjøre eventuelle nødvendige endringer for 2015 med hensyn til hvordan dette skal følges opp. Jeg understreker igjen at det ikke er blitt sett på som at det vil være stor fare for spilleavhengighet med så små beløp som her skisseres og legges til rette for. Man forventer at dette ikke vil bidra til spilleavhengighet. Jeg skjønner at det finnes en handlingsplan, og den handlingsplanen er jeg glad for at statsråden synes er god, men den handlingsplanen ble lagd før man hadde tillatt poker, og da bør man ha en gjennomtenkt tanke om hvordan et spill som skal skje i private hjem, kan dra nytte av et sånt tiltak. Da er spørsmålet: Vil statsråden ta initiativ til å revidere den handlingsplanen, sånn at man også kan nå en ny målgruppe? Som jeg sa, går den handlingsplanen ut neste år – i løpet av 2015 – og vi vil da vurdere om vi skal endre den, utvide den eller i hvert fall evaluere hvor virkningsfull den har vært, for så å komme tilbake med forslag til en ny handlingsplan for hvordan man skal motvirke at man får spilleavhengighet. Gjennomføringskraft er et begrep som denne regjeringen liker å bruke. Det er for så vidt bra, og

taxfree. Nå tillater regjeringen poker, og i neste uke skal vi diskutere proffboksing. Mener regjeringen og statsråden at det er dette som bringer Norge i en mer riktig og bærekraftig retning, og gjør at Norge blir et land som er godt å bo i for alle? Regjeringen jobber hver dag for å prøve å bidra til at landet forbereder seg på å være rustet for framtiden, sånn at vi faktisk får et bedre samfunn å bo i. Så er det sånn at vi er en mindretallsregjering, og vi satser på å få flertall med bl.a. Kristelig Folkeparti og Venstre. Noen ganger registrerer vi at det er ett av partiene som støtter oss. Det viktigste for oss for å få denne gjennomføringskraften er at vi faktisk får flertall, og det jobber vi for å klare å få til. Så har jeg lyst til å si at når det gjelder dette forslaget, er det en liten legalisering. Jeg synes det er å dra det vel langt det jeg registrerer at både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti gjør her. og de er riktignok blitt endret etter innspill fra høringsinstansene, men vi mener at disse grensene ikke bør settes så lavt at de ikke er omfattet av det folk flest vurderer som akseptabelt, f.eks. når det gjelder private pokerlag. Selv om grensene heves, er det ikke noen forventninger om at dette skal føre til Jeg skal ikke overdrive frykten for at folk blir spilleavhengige av en nedre grense på 1 000 kr eller 10 000 kr. Men jeg registrerer hva regjeringen gjorde underveis mens vi jobbet med dette, og det var å gå fra sitt opprinnelige forslag, som var 5 000 kr, og 500 kr per innskudd, til å doble det. Mitt spørsmål er: Hva om Norsk Pokerforbund kommer og sier at du, det var litt lite, kan vi ikke doble det til 20 000 kr, for det er jo ingen som blir spilleavhengig hvis vi setter det til 20 000 kr? Hvordan skal regjeringen stoppe en snøball som vi er redd for bare har begynt å rulle? Jeg opplever ikke at dette er noen snøball som har begynt å rulle. Regjeringen har sagt at vi ønsker å få til en liberalisering, vi ønsker å tillate den private pokeren som mange i dag faktisk driver med ulovlig i Ved å tillate denne lovendringen er en faktisk med på å bidra til at det blir lovlig. Det er et faktum at det er mange som gjør dette i dag, og da tror jeg det er utrolig viktig at man også tillater det ved å gjøre denne lovendringen. Så vil vi følge utviklingen ganske nøye. Vi har et lotteritilsyn som også vil få anledning til å følge med, og så får vi gjøre de nødvendige vurderingene etter hvert. Som sagt, jeg skal ikke overdrive, men jeg synes det er litt rart at man bruker argumentet at det er så mange som gjør dette. Med andre ord, det er så mange som bryter loven, og da er det viktig at man endrer loven, eller fjerner loven, slik at det som er ulovlig, blir lovlig. Det er ganske interessant. Det er mange andre lovbrudd vi også ser daglig i Norge. Er dette starten på en opprydding i lover som går på at denne regjeringen tenker at man skal gjøre ting lovlig bare fordi det er mange som bryter loven? Når det gjelder legalisering eller liberalisering, synes jeg det vil være utrolig flott hvis vi kan få støtte av Kristelig Folkeparti og Venstre i mange av endringene som det er nødvendig å gjøre for å klare å få til et bedre tilpasset samfunn, et mer moderne samfunn, i årene som kommer. Da skal vi sørge for at vi får til den gjennomføringskraften som representanten nevnte innledningsvis. Jeg mener dette er et meget godt og fornuftig tiltak. Vi vet at dette forekommer rundt omkring i mange norske hjem i dag. Det er små beløp, det er i begrenset omfang. Nå har faktisk de som har samvittighet, også anledning til å gjøre dette i sine egne hjem, med et begrenset antall, med en begrenset sum. Jeg tror ikke at det kommer til å føre til spilleavhengighet, ei heller kommer det til å føre til hvitvasking av penger – det er noe som også Økokrim ga uttrykk for da en hadde den høringen som var. Så jeg er ikke bekymret for at dette kommer til å sette i gang noen som helst snøballrulling. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Dette er bare vill gjetning, men i motsetning til de andre på talerstolen i denne saken, som jeg antar ikke har spilt poker, har jeg faktisk spilt – og spiller – poker, noe jeg slett ikke er alene om. Rundt 8 pst. av befolkningen, altså over 350 000 nordmenn, spiller poker aktivt, enten på nett, i utlandet eller i uformelle pokerlag i kjellerstua. I år hadde jeg gleden av å delta i norgesmesterskapet i freeroll her i Oslo. Der var det omtrent 1 000 deltakere. Det viser at interessen for dette er enorm, når så mange velger å delta på et gratis arrangement. I årevis har det imidlertid vært straffbart med pokerspill på norsk jord, og Norge og Albania er i dag de eneste landene i Europa som forbyr folk å spille Tatt i betraktning den høye andelen av pokerspillere i Norge skjønner man at lovverket er avleggs og trenger fornying. Tiden er inne for å legalisere poker og la de aktive spillerne få lov til å drive lovlig i Norge, noe som vi i dag har muligheten til å bidra til ved å liberalisere regelverket som omhandler private pokerlag. Dette er en regelendring som skulle vært på plass for lenge siden, men jeg registrerer at motstanden mot dette fortsatt er til stede, og at argumentene bl.a. er frykten for Mennesker i Norge kan i dag spille vekk en god del penger på tilbud i regi av Norsk Tipping, men får altså ikke muligheten til å spille poker om penger. Dette henger ikke på greip. Ferdighetsspill som poker er ulovlig, mens flere av spillene til Norsk Tipping har flere titalls millioner kroner i potten, bokstavelig talt: Lotto, bingo, rulett og rene lykkespill. Men lykkespill er tydeligvis uproblematisk for bl.a. representantene fra Arbeiderpartiet og går pengene til Norsk Tipping, som igjen får dele dem ut til gode formål som disse representantene kan være med og ta æren for. På telefonen min har jeg Norsk Tipping-appen. Her kan jeg bestemme beløpsgrensene for hva jeg vil satse hos Norsk Tipping. Beløpsgrensene er altså 40 000 kr per dag, de er 100 000 kr per uke og 300 000 kr per måned. De har vært uforandret i årevis, uten at de politikerne som nå har tatt til orde for spilleavhengighet, har brydd seg nevneverdig om det. Representantene fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har altså ingen problemer med dette, for frykten for spilleavhengighet er fraværende så lenge Norsk Tipping og staten markedsfører det og får en del av kaken, men å tillate at en vennegjeng skal kunne kose seg med poker en fredagskveld, hvor de maksimalt kan tape 1 000 kr, er uansvarlig.
har bare et par kommentarer. Først til denne forunderlige problematiseringen om hvordan en skal følge opp dette med at det blir en legalisering av begrensede private pokerlag: Ja, det skal vel følges opp på samme måte som forbudet skal følges opp, det blir antagelig enklere og vil kreve færre ressurser. Så bare en kommentar til dette med spillpolitikken totalt sett: Vi er veldig enige om det som nå skjer med fordelingen av tippemidlene. Men det er ingen tvil om at vi har foran oss en stor utfordring når det gjelder spillpolitikken totalt sett, og hvordan vi skal håndtere den framover i et marked som er i stadig endring, og der vi har et ansvar for å hjelpe dem som lider av problemer rundt spilling. Det tror jeg er noe som i hvert fall vi i komiteen er enige om at vi skal ta på alvor, og se på hvordan vi kan løfte fram. Da må vi være villige til også å se på de spillene som allerede er i gang i Norge, og om de fungerer etter hensikten, eller om de er en utfordring. Jeg skal være rask og ikke forlenge debatten, men jeg ønsker å avrunde den – siden det i hvert fall nå ikke er flere som har tegnet seg. En liten oppsummering: Det kan virke som om de som er mot at man skal tillate poker hjemme, mener at det er feil fordi det er vanskelig å håndheve regelverket og lovverket. Det kan da umulig være vanskelig. I dag er det tydeligvis veldig lett å løpe rundt i alle hjem og se om man driver lovlig når man spiller. Jeg har ikke hørt om noen som gjør det ennå, men politiet gjør sikkert det også. Dette blir antagelig på akkurat samme måte, men nå kan man i hvert fall spille om noe hjemme. Det blir også snakket om at dette ikke går til samfunnsnyttige formål. Vel, for meg kan det virke som at så lenge man ikke på en eller annen måte kan kan man ikke tillate det. Det er også blitt sagt at det ikke er tungtveiende grunner for å si ja. Nei vel, men er det da tungtveiende grunner for å si nei? Er det det? Snu problematikken: Denne regjeringen ønsker faktisk at det skal være litt mer frihet for enkeltmennesket. Det er viktig for noen av oss. Men for andre er det ikke det; for dem handler det om hva man politisk sier er riktig at man skal gjøre hjemme. Det ble også spurt om hvorfor man skal innføre dette, i tillegg til Segway og hva det måtte være for noe. Men hvorfor i all verden har man da innført disse forbudene? Det ville jeg heller stilt spørsmål om og brukt tid på, det og ressurser. Noen har skrevet lovene. Noen har brukt tid på det også. Dette er et av de forbudene vi ønsker å fjerne – ikke fordi jeg synes det er viktig, men det er mange som synes det er viktig, fordi de spiller og kunne tenke seg å gjøre det i lovlige former. synes ikke det er noen stor kriminalitet om man spiller for 1 000 kr hjemme. Jeg synes faktisk det må være bedre enn om man bruker 40 000 kr på Norsk Tipping per dag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger